saka, og eg beklagar at eg ikkje følte at eg hadde tid til å koma inn på denne i mitt første femminuttsinnlegg. Det betyr ikkje at saka ikkje er viktig, tvert imot er det heilt sentrale utfordringar som representantforslaget tek opp, og det er eit saksområde som eg sjølv er veldig oppteken av. Eg vil understreka at Stortinget tidlegare har vore – og er framleis – heilt samstemte på at jordmortenesta skal styrkjast med omsyn til både kapasitet og kvalitet. Helsedirektoratet har òg på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet greidd ut forslag til ulike tiltak for å styrkja jordmortenesta. Eg vil òg visa til statsrådens brev av 4. mai til komiteen, der det er gjort greie for regjeringa sitt pågåande arbeid for å Heile komiteen har slutta seg til statsrådens avgjerd om å gjennomgå takstsystemet for jordmødrer og vurdera dette ut frå formålet, og eventuelt i samanheng med tilsvarande system for andre yrkesgrupper. Faktum er at dagens takstsystem kan verka avgrensande på jordmødrenes yrkesgjennomføring, og kan verka mot si hensikt som økonomisk incitament. Komiteen har òg tverrpolitisk trekt fram at tilbod som gir grupperettleiing og livsstilsrettleiing tidleg i graviditeten, er viktig førebyggjande tiltak som må utviklast. Komiteen peikar òg på at samarbeidet mellom fastlege og jordmødrer i kommunane må styrkjast, at det er viktig at utdanningskapasiteten for jordmødrer blir vurdert, og ser det som positivt at statsråden forsikrar om at ho vil følgja nøye med på utviklinga. Mange jordmødrer jobbar i dag i små deltidsstillingar, og nyutdanna jordmødrer slit med å få arbeid. Dette er uakseptabelt. Derfor er det positivt at Helse- og omsorgsdepartementet i år har stilt krav til dei regionale helseføretaka om å sørgja for at dei som hovudregel brukar faste stillingar og avgrensar bruken av mellombelse stillingar til eit Også i kommunane har KS gjennom kvalitetsavtalen forplikta seg til å leggja forholda til rette for å redusera ufordelaktig bruk av deltidsstillingar. I ny kommunal helse- og omsorgslov er det føreslege ei lovendring om profesjonsnøytralitet. Opposisjonen meiner at dette fører til at jordmødrer ikkje blir tilsette, og vil bøta på dette med å Regjeringspartia meiner at jordmortenesta skal kunna byggjast opp med andre verkemiddel. Det viktigaste er at lovvedtakets krav om fagleg forsvarlegheit i tenesta legg føringar på kommunane og set krav om at tenesta blir bemanna med kvalifisert personell. I tillegg vil ei forskrift kunna setja krav til innhald i tenesta, herunder føresegner om kompetansekrav for dei ulike typar tenester. Heilt til slutt om følgjetenesta. Vi er like opptekne av at ho skal fungera betre enn i dag som representanten Sonja Sjøli og Høgre er. Det er dei regionale helseføretaka som har ansvaret, og vi må få på plass avtalar om korleis ordninga skal praktiserast. Det har vi òg merknadar om – og helseministeren skal følgja opp dette nøye.

foran helse i sin politikk. Partienes politikk kommer jo til uttrykk når man behandler statsbudsjettet – hvordan man prioriterer økonomisk. Fremskrittspartiet prioriterte i årets budsjett 20 mrd. kr i skattelette, og i de tabellene som er kommet fram i deres alternative forslag, er det skattelette til dem som har høyest inntekt, altså 4 000 kr for dem som tjener mellom over 100 000 kr for dem som tjener millionbeløp, 2–3 mill. kr. Det er altså en skattelette til dem som tjener mest og har mest. Hvis man i tillegg tar med avgiftsletter, blir forskjellene enda større. Med de formidable utfordringene det norske samfunn kommer til å få i de nærmeste 20–30 årene innenfor helse, innenfor kommunehelsetjenesten, innenfor omsorgssektoren, og jeg tar gjerne med utdanningssektoren, med betydelige kommunehelsetjenesten, innenfor omsorgssektoren, og jeg tar gjerne med utdanningssektoren, med betydelige ressursøkninger innenfor disse sektorene, vil det ikke være rom for skattelette på den måten som Fremskrittspartiet foreslår. Det er definitivt, og da må man gjøre valg. Og Fremskrittspartiet har gjort valg, de prioriterer stor skattelette. På siste landsmøte ble det skjerpet at det skulle hete at Fremskrittspartiet er et parti for sterk nedsetting av skatter og avgifter. og avgifter. Da er det det som er realiteten. Da nytter det ikke å være høy og mørk, som det heter, når man har sektordebatter, enten det er på helsesektoren eller på samferdselssektoren. Man har gjort et valg, og man har prioritert skattelette; man har prioritert økte forskjeller i samfunnet. Det er

kommunene. Representanten Bent Høie vet veldig godt at vi tok to alternative forslag ut på høring når det gjaldt hvilke diagnosegrupper dette skulle gjelde – det var personer over 80 år eller medisinske diagnoser. Vi valgte medisinske diagnoser på bakgrunn av høringene. Det har ingenting å gjøre med at vi skal diskriminere eldre. Det er en veldig og det ønsker vi absolutt ikke. Vi ønsker med Samhandlingsreformen å gi et langt bedre tilbud til eldre. Litt i forlengelsen av dette med å utsette sykehusinnleggelser på grunn av økonomi: Det er helt uhørt om en lege skulle spørre en økonomisjef om de hadde penger til å legge folk inn på sykehus. Det er ikke det det dreier seg om.

og så vil de tjenestene som ikke kan utføres i kommunene, utføres i sykehusene. Men kommunene har et veldig klart ansvar, både for å inngå disse avtalene og for pasientene. Når jeg sier at vi skal følge nøye, er det selvfølgelig mange som kommenterer det. Men akkurat i denne saken er det viktig med en følgeevaluering både når det gjelder hvilken innvirkning dette har på kommunenes økonomi, og hvilken innvirkning det har på sykehusenes økonomi. Så må jeg bare si at når det gjelder ventetider, har jeg vært enig i at mange ganger opplever vi at ventetiden har vært for lang. Men ikke glem at 70 pst. av alle innleggelser er øyeblikkelig hjelp. Det må altså ikke skapes et inntrykk av at man ikke kommer seg på sykehus i dette landet, for det gjør man faktisk. Men ventetidene går nå ned. Det er bra, og vi arbeider aktivt for at de skal fortsette å gå ned. Nå fikk jeg ikke

Men vi snakker faktisk om Arbeiderpartiets helsepolitikk, Samhandlingsreformen, som på mange områder er uferdig. Det var kanskje bedre om han brukte tid på å snakke om den saken. Samhandlingsreformen skal tre i kraft allerede fra 1. januar neste år. I den forbindelse har vi stort behov for godt utdannet helsepersonell med både ulik og tverrprofesjonell kompetanse. For å ha tilgang til nok helsepersonell med både ulik og tverrprofesjonell kompetanse. For å ha tilgang til nok helsepersonell som også har god faglig utdanning i tråd med nye oppgaver, er det stort behov for å ta i bruk mer forskningsbasert utdanning i sektoren. Høgskolen Stord/Haugesunds samarbeidsprosjekt med kommunene om forskning og utvikling i primærhelsetjenesten er en modell som med fordel kan brukes nasjonalt. Dette prosjektet har fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring i sykehjemspraksis. Siktemålet er å lære av, om og sammen med hverandre. Studenter fra sykepleierutdanningen, ergoterapeut- og fysioterapeutstudenter arbeider på samme sted i sammenfallende periode. En undersøkelse i Helse Stavangers dekningsområde, gjennomført av Iris, viser at det vil være en mangel på hele 1 300 helsefagarbeidere i 2030, med utgangspunkt i en middels befolkningsvekst. I tillegg vil regionen ha 700 sykepleiere i manko og rundt 200 spesialsykepleiere for lite. Det er ingen grunn til å tro at forholdene er stort bedre i andre kommuner og fylker. Samtidig meldes det om at mange som går på

Ifølge SSB er det i 1. kvartal 2011 8 500 ledige stillinger i omsorgstjenesten i institusjoner i Norge. Så det spørs om en ikke også må være villige til å se på om man kan heve lønnen for å få nok fagarbeidere. Søkertall til helsefag, sykepleierutdanning, viser at det er over dobbelt så mange søkere som det er plasser per april 2011. Dette viser at regjeringen må vise politisk vilje til å satse atskillig mer på at flere får ta helsefagutdanning. Det lover ikke godt at en i dagens Kommune-Norge må ty til ekstravakter, vikarbyråer og midlertidig arbeidskraft, til dels fra utlandet, for å erstatte for få hender og mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Det er faktisk bare et halvt år før reformen trer i kraft.

Så var helseministeren også inne på dette med at en har droppet 80-årsgrensen og innført medisinske diagnoser istedenfor. Vel, medisinske diagnoser rammer i all hovedsak eldre mennesker, noe som ikke minst kommuneproposisjonen beviser når regjeringen fordeler disse 4,2 mrd. kr etter alderskriteriet. Dette er ikke noe som opposisjonen har funnet på på egen hånd. Regjeringen nedsatte en ekspertgruppe med noen av våre fremste innen eldremedisin – fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten – som konkluderte med å advare mot denne modellen. De hadde nøyaktig den samme begrunnelsen som opposisjonen, nemlig at det er en økt fare for at eldre mennesker blir holdt tilbake for lenge i kommunehelsetjenesten, noe som allerede er et problem i dag.

2012. Grunnen til at jeg er opptatt av dette, er at Stortinget hadde et tilsvarende anmodningsvedtak i 2004, som ble fulgt opp av Bondevik-regjeringen. Jeg stilte etter regjeringsskiftet spørsmål til helseminister Brustad om når regjeringen ville komme tilbake med rettighetsfesting. I oktober 2005 sa den daværende helseministeren: «Jeg er tilfreds med hovedinnholdet i forslaget som er skissert i St.prp. nr. 1 fra den avgåtte regjeringen Bondevik,

kan garantere at det blir en lovfesting av brukerstyrt personlig assistanse i løpet av 2012. Hvis ikke kan ikke dette forslaget som vedtas i dag, oppleves som noe annet enn en ny trenering av en sak der det fort kan gå nye år før dette blir vedtatt. Et hovedpoeng med Samhandlingsreformen er

videre. Det er godt dokumentert både av SINTEF og Helsetilsynet at opptreningstilbudet svikter i mange ledd. Dette betyr tapte muligheter for mange mennesker som helt unødvendig blir avhengig av En satsing på habilitering og rehabilitering vil gi pasientene bedre hjelp til å mestre hverdag og jobb. Det er en god investering i livskvalitet for mange mennesker, samtidig som det er en god samfunnsmessig investering å redusere behovet for trygdeytelser og helsetjenester. Høyre påpekte under behandlingen av Samhandlingsreformen i fjor at vektleggingen og satsingen på habilitering og rehabilitering var altfor dårlig, ja bortimot fraværende. Høyre er tilfreds med at lovforslaget synliggjør at habilitering og rehabilitering er noe langt mer enn medisinsk habilitering og rehabilitering. Det må ha et livsløpsperspektiv. Brukermedvirkning må være grunnleggende, og den enkeltes mål må være styrende for innholdet i prosessen. Innholdet i denne tjenesten kan reguleres gjennom forskrift, og Høyre forventer at bl.a. arbeidsrehabilitering defineres Rehabilitering prioriteres i altfor liten grad i kommunene i dag. Høyre mener at det profesjonsnøytrale lovforslaget fra regjeringen ikke er like sterkt som gjeldende lov, og vi frykter i likhet med sentrale og tunge høringsinstanser at dette kan føre til en ytterligere nedprioritering av rehabiliteringsfeltet. En god rehabilitering krever tverrfaglighet, og både fysioterapeuter og ergoterapeuter er viktige fagpersoner. fagpersoner. Brukermedvirkning og individuelt tilpassede pasientforløp er svært viktig for pasienter med langvarige rehabiliteringsbehov. Så vi håper at statsråden følger opp dette og legger spesielt vekt på de yrkesgruppene som skal bidra til en god habilitering og rehabilitering. Nok en gang er jeg da nødt til å avlegge representanten

nå å være for sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep, finner jeg det nødvendig å gjøre representanten oppmerksom på at det kommer mye rart innom våre landsmøter, deriblant journalister, men jeg har altså ikke sett Geir-Ketil Hansen der. Og sitatet han refererer, har vært en del av Fremskrittspartiets politikk siden Anders Lange innførte det i 1973, så det må eventuelt være det landsmøtet han har vært på. Jeg har videre lyst til å avlegge BPA-ordningen et besøk. Den borgerlige opposisjonen står samlet om å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse, altså BPA. Med de utfordringer som velferdsstaten Norge står overfor i fremtiden, er BPA en vinn-vinn-ordning for alle parter. Brukerne får en mulighet til selv å organisere hjelpen de trenger, med den de vil, til de tider de vil. Det er brukerstyrt. Med BPA får mange funksjonshemmede muligheten til et mer aktivt og uavhengig liv, og for staten er dette en avlastning i forhold til all annen tjenesteytelse og organisering av omsorgstjenester. Når vi da opplever den motstand som opplever den motstand som vi gjør fra de rød-grønne partiene, må det i dag være litt flaut å måtte sitte i denne salen og stemme imot en rettighetsfesting og et forslag som altså er helt i tråd med eget landsmøtevedtak. Nettopp derfor vil jeg gjerne få lov til også her å utfordre representanten Geir-Ketil Hansen, som har vært ute i en del medier og sagt at dette nå er i orden. Det er ikke i orden når man i denne sal i dag har tenkte å stemme ned forslaget om rettighetsfesting og derimot «anmode» nok en gang. Derfor har jeg lyst til å følge opp det representanten Høie her sa. Når statsråden ikke vil bekrefte om hun kommer tilbake med dette til denne sal innen 2012, vil jeg spørre representanten Geir-Ketil Hansen og de rød-grønne representantene: Forventer de at statsråden skal komme tilbake innen 2012? Eller: Når forventer de at dette skal

opplever veldig mange i dag at garantien blir brutt. Det er ganske alvorlig at det er så mange som klager på brudd på retten til nødvendig helsehjelp. Det er bakteppet. Jeg er nødt til å lese opp igjen noe av det som sto i høringsutkastet som vi – Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene, les Bjarne Håkon Hanssen og departementet – var 100 pst. enige om. les Bjarne Håkon Hanssen og departementet – var 100 pst. enige om. Der slås retten til et verdig tjenestetilbud fast. Så står det: «På denne måten blir kommunehelsetjenesteloven § 2-1 annet ledd en tydelig presisering av det som følger av bestemmelsens første ledd. Denne utdypingen og sett i sammenheng med forslagene i en ny forskrift om en verdig eldreomsorg presiserer innholdet i rettigheten til tjenestetilbudet for eldre. Med dette vil eldres rettstilstand styrkes og dermed medføre et forsterket tjenestetilbud til denne brukergruppen. Dette fører til at kommunens mulighet til å avslå tjenestetilbud med begrunnelse i ressurssituasjon og tilgang på personell innskrenkes.» I forbindelse med innstillingen har jeg på vegne av Kristelig Folkeparti lagt inn følgende, for nettopp å få vite – være helt sikker på – at regjeringspartiene bekrefter det som står i høringsnotatet: «Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti» – jeg sto dessverre alene igjen med dette – «mener eldre menneskers rettsstilling styrkes gjennom denne lovendringen. Kommunenes frihet på dette punktet innskrenkes, og pliktene til kommunene øker.» Dermed endres dagens rettstilstand når begrepet «verdighet» fremheves i pasientrettighetsloven i samsvar med forslaget til forsvarlighetsbestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Litt jus, men helt identisk med det som vi var enige med regjeringen om da Bjarne Håkon Hanssen var statsråd. Det er utrolig viktig for oss å få vite hvorfor ikke regjeringspartiene fikk lov til å gå inn på dette. Det var jo dette vi var enige om. Vi står overfor en svært viktig utfordring som kan bedre samspillet mellom kommunenes primærhelsetjeneste og statens spesialisthelsetjeneste. Soria Moria II-erklæringa slår fast at ingen lokalsjukehus skal nedlegges, og vi vet at lokalsjukehuspasienter utgjør 60 pst.–75 pst. av pasientene i norske sjukehus. Lokalsjukehusene må ha en tydelig plass i behandlingskjeden – og jeg vil understreke behandlingskjeden – der de bidrar til god og helhetlig behandling. Og jeg vil understreke kvalitet, som gir trygghet. Kvalitet skal sikres, og derved kan to av tre pasienter som behandles ved spesialisthelsetjenestens lokalsjukehus, best ivaretas her. På ethvert samfunnsområde er det en dynamisk utvikling. Krav og tilbud endres, og folks oppfatning av trygghet endres også. Vår oppgave som folkevalgte er å dyrke fram den samfunnsutvikling som vi ønsker på de ulike områdene. I innstillinga om framtidas spesialisthelsetjeneste viser regjeringspartienes medlemmer i komiteen til helse- og omsorgsplanens definisjon av lokalsjukehus med akuttfunksjon. Lokalsjukehus med akuttfunksjon må ha som et minimum – og jeg understreker minimum – indremedisinsk akuttberedskap samt enklere kirurgiske prosedyrer på døgnbasis. Dette er altså ikke den gylne regel, men minimum kompetanse for statlige institusjoner som kan kalles sjukehus. For Senterpartiet er det svært avgjørende å sikre en dynamisk kvalitativ utvikling av våre lokalsjukehus, hvor breddekompetanse på akuttberedskap i indremedisin, kirurgi, eksempelvis blindtarm og beinbrudd, anestesi, røntgendiagnostikk, eksempelvis MR og CT, og laboratorietjenester inngår. Dette innholdet er også svært sentralt i utdanning av fagfolk ved lokalsjukehusene gjennom turnus og assistentlegestillingene. Lokalsjukehusene er en viktig utdanningsinstitusjon.

Det var svært sentralt da sjukehusene ble overført fra fylkeskommunen til staten at staten som eier skulle følge opp den folkevalgte meningen representert her på Stortinget. Jeg vil også påpeke at skal det være mulig å sikre det,

og det var heller ingen tvil om at det i samband med den reforma òg låg gode intensjonar bak. Men likevel er det ingen, eller veldig få, som meiner at Nav-reforma er ei vellykka reform. Det betyr sjølvsagt at det skal meir til enn flotte ord og gode intensjonar for at ei reform skal lykkast. Når det gjeld Samhandlingsreforma, inneber at kommunane skal få nye oppgåver og eit større ansvar. Då er sjølvsagt eit viktig spørsmål om dei 430 kommunane som vi har i Noreg i dag, er klare til å ta på seg desse nye oppgåvene og dette nye ansvaret. Representanten Sonja Mandt sa følgjande: «Kommunene er mer enn klare.» Eg veit ikkje kva kommunar representanten Sonja Mandt har vore i kontakt med. Det er mogleg at Oslo er klar, at Bergen er klar, at dei store kommunane er klare, men dei tilbakemeldingane som eg har fått når eg har vore rundt i Kommune-Noreg, er at dei ikkje er klare. Vi har i dag, som sagt, 430 kommunar, der Oslo er den største med nesten 600 000 innbyggjarar, og Utsira den minste med 218 innbyggjarar. Det er vanskeleg å sjå at Utsira med 218 innbyggjarar og f.eks. Modalen med ca. 350 innbyggjarar skal kunne ta på seg mange nye, store oppgåver. Dei tilbakemeldingane eg har fått når eg har vore rundt i Kommune-Noreg, er uvisse og frustrasjon. For eit par veker sidan var eg i Møre og Romsdal. Der var det ein kommunepolitikar som uttalte følgjande: Samhandlingsreforma kjem til å bli så kaotisk at til samanlikning kjem Nav-reforma til å framstå som ei solskinshistorie. Vonleg tok han lite grann i, vonleg blir det ikkje så ille som han framstilte det, men eg fryktar dessverre at det kan gå ganske gale. Eg oppfattar Samhandlingsreforma framfor alt som ei reform som er til for å skape inntrykk av at det skjer noko positivt, og eg oppfattar òg Samhandlingsreforma som ei reform som skal bidra til å flytte fokus vekk frå dei 280 000 enkeltskjebnane som i dag står i helsekø. Kanskje burde ein i større grad fokusert på å få redusert køane og i mindre grad på nye
ut i kommunene. Norges minste regionråd ligger i Setesdal, og kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle samarbeider i regionen interkommunalt, bl.a. innenfor helsefeltet. Samhandlingsreformen har stått på agendaen Flere prosjekter er igangsatt, bl.a. innen psykisk helse og rus. Et lokalmedisinsk senter planlegges lokalisert til Evje, og det jobbes med dette i tett samarbeid med Sørlandet sykehus. Det fortjener de ros for. Jeg har tro på at det skal bli et godt prosjekt, men langt fra alle kommuner er kommet like langt. langt. For å lykkes med Samhandlingsreformen er man avhengig av at kommunene får tid til å bygge opp den nødvendige kompetansen når de skal påta seg nye og utvidede oppgaver. Endringene som følger av reformen, vil få store administrative og økonomiske konsekvenser for kommunene og burde derfor fått en mer gradvis innføring, slik at kommunene fikk tilpasset sin organisasjon og drift til de nye oppgavene. oppgavene. Når det gjelder Samhandlingsreformens intensjon om at folk skal få hjelp der de bor, vil reformen for innbyggerne i Distrikts-Norge bety at enkelte tjenester vil ytes geografisk langt unna der de er bosatt. Det å utvikle kvalitativt gode tjenester med denne reformen vil være ressurskrevende og ta tid. Det Det er også krevende å finne de gode administrative samarbeidsformene som gjør det juridisk mulig å samarbeide på tvers av kommunegrensene. Å sikre tilstrekkelig kompetanse til å utføre de nye oppgavene stiller også store krav til kommunene i forhold til både rekruttering og oppbygging av sterke fagmiljø i samarbeid med andre kommuner. Jeg beklager derfor regjeringens hastverk med å innføre reformen så lenge virkemidlene er så uklare.

investeringskostnader. Det hjelper ikke med statlig prosjektstøtte dersom det ikke finnes midler til å føre gode prosjekter over i en driftsfase. Når en kommune som f.eks. Bykle får ca. 800 000 kr i 2012 til å møte Samhandlingsreformen, og deler av dette beløpet skal brukes til å medfinansiere sykehusopphold, sier det seg selv at det ikke er mye igjen til investeringer og oppbygging av nye kommunale tilbud. Det er bekymringsfullt.

Vi vedtar i dag lovene, og forskriftene skal følge opp både det vi vedtar her, og det vi har jobbet med. Vi må jo ta høyde for å revidere en stor andel av lovverket når vi gjør så mange endringer. Vi må endre, vi må revidere, vi må fastsette nye, og vi må ta de tekniske endringene. Jeg er sikker på at en klargjøring av det som har vært etterlyst her i forhold til profesjonsnøytralitet, er veldig godt å ha i en forskrift. Det bør vel være i alles interesse. Opposisjonen ønsker flere prøveprosjekter. Vi mener at det ikke er nødvendig, for her har det vært mange prosjekter rundt omkring. Tolv lokalmedisinske sentre er beviset. og Ål – og flere gode eksempler som er nevnt – er lokalt initiert. De er kommet etter lokale initiativ, og de dekker de lokale behovene. Kristelig Folkeparti etterlyser lovfestet rett til dagtilbud nå, med én gang, mens vi ønsker å vente til ting er på plass. Vi legger til rette for det store antall demente som er ventet i framtiden, ved å bygge tilrettelagte boliger. Vi gjennomfører «Den gode vi gir kompetanse til ansatte gjennom Demensomsorgens ABC, der over 9 000 nå har deltatt. I motsetning til det reformen legger opp til, vil altså Kristelig Folkeparti ha en lovfesting nå – mens reformen skal knas og eltes, og det skal ventes med hensyn til nye prosjekter. Noen ganger er det ikke helt sammenheng. Noen ganger er det for lite og for sent, og noen ganger er det for fort og for mye. Til lags åt alle Vi bygger reformen fra kommunene, ikke som Fremskrittspartiet påstår at vi gjør, ovenfra og ned. Fokuset Fremskrittspartiet har, er at vi tar pengene fra spesialisthelsetjenesten. Ja, vi omfordeler og behandler på rett sted. 4,2 mrd. kr er det vi snakker om – det er 5 pst. av basisbevilgningene til sykehusene – og veldig mye av det skal tilbakebetales om ikke kommunene lykkes. Eksemplet representanten Helseth viste til fra denne talerstolen, er typisk når det gjelder tilbakebetaling og utskrivningsklare pasienter. De hadde 8 000 kr å betale inn. Den sammenligningen som ble gjort med Nav, er heller ikke reell. Vi etablerer ingen nye institusjoner. Reformen skal innføres gradvis, og vi har ingen sammenslåing av kommunale og statlige institusjoner. Vi har tro på at det er det beste for kommunene, vi har tro på at det er det beste for pasientene. Og ja: Jeg har vært i kontakt med mange kommuner og har besøkt mange kommuner som er absolutt klare. Og de er i gang. Jeg stoler på det jeg både hører og ser, og det er ikke bare Oslo vi har sett. Rett behandling på rett sted til rett tid, det er det vi egentlig snakker om her. Til liks med representanten Geir-Ketil Hansen skal eg også snakke om Framstegspartiet sin utmerkte helsepolitikk. Det er jo litt spesielt å høyre representanten

Men samtidig har vi løyvd fleire milliardar kroner meir til helseføretaka i det opphavlege statsbudsjettet for 2011. Men det er ikkje nok, for helseføretaka har også store organisatoriske utfordringar, som vi har vore inne på tidlegare. Det vert stadig fleire byråkratar – 17 000 byråkratar i helseføretaka, 14 000 pasientsenger og 8 500 legar. I helseføretaka er det dobbelt så høg byråkratfaktor som Då kan gjerne Geir-Ketil Hansen vere svært fornøgd med helsetenestene, men eit eller anna er på ville vegar. Når ein då veit at også fleire av desse byråkratane – fleire enn 10 000 – jobbar med heilt andre ting enn pasientbehandling, berre understrekar det poenget. Her er det enorme organisatoriske utfordringar, som SV og regjeringspartia glatt hoppar bukk over, fortset med å marme på det same dei har gjort heile tida, nemleg at det er kontroll på helsetenestene. Men kvifor ser vi då unntakstilstanden ved OUS? Kvifor ser vi at legar på anestesien i Bergen åtvarar? Kvifor ser vi kampen om lokalsjukehusa? Kvifor ser vi oppslag etter oppslag om feilbehandling av pasientar, om det faktisk var kontroll der ute? Ja, Geir-Ketil Hansen veit betre enn det han gir uttrykk for på talarstolen her om tilstanden i norsk helsevesen. Det er ingen grunn til å rosemåle meir enn det regjeringspartia allereie har gjort. Så er det fornøyeleg å høyre Per Olaf Lundteigen snakke om definisjonen av lokalsjukehus. Han legg seg jo på ein heilt annan definisjon enn det Senterpartiet kjem til å stemme for i dag, for han legg seg på Framstegspartiet og Legeforeningen sin definisjon av innhaldet i lokalsjukehusa. Per Olaf Lundteigen var ikkje i salen

om. Me veit at mange pasientar opplever at tenestene ikkje samhandlar godt nok. Det gjeld både innan sjukehus og mellom sjukehus og kommunehelseteneste. Enkelte pasientar som i dag får behandling eller er utskrivingsklare frå sjukehus, kan faktisk få like god eller betre behandling og omsorg i eigen kommune. Da bør dei få det. Det siste året har me satsa mykje på å behandla sjukdom. Det er bra. Men me må verta flinkare til å førebyggja. Ifølgje WHO kan 80 pst. av hjarteinfarkt, 90 pst. av diabetes og 30 pst. av tilfella av kreft førebyggjast eller utsetjast med endringar i kosthald, fysisk aktivitet og røykjevanar. Det skal løna seg å førebyggja sjukdom i forkant i staden for å reparera i etterkant. etterkant. Derfor skal me satsa meir på å unngå at folk vert sjuke, og sørgja for at det løner seg for kommunar og sjukehus å samarbeida. I mange år har eg jobba for noko som er kalla helsestasjon for eldre i Ski. Det har resultert i ein seniorkontakt, som eg personleg ønskjer å utvida enda meir. Der skal dei eldre få tilbod om heimebesøk det året dei fyller 75 år, med formål om bl.a. praktiske tilretteleggingar – kanskje kanskje små ting som gjer kvardagen enklare for dei. I tillegg kunne me kanskje avdekkja einsemd. For me veit at veldig mange eldre sit mykje aleine. Det er god førebygging å sørgja for å få desse ut av huset og i saman med andre. Andre ting kan vera f.eks. matlagingskurs for eldre menn, for me veit at rett kosthald er utruleg bra for førebygging. Det er det det handlar om: Me må hindra at folk vert sjuke av sjukdommar som faktisk kan førebyggjast. No er det faktisk eit incitament for kommunane å førebyggja, og det er noko av det viktigaste med vedtaket i dag. For å få til denne reforma treng me lokalmedisinske senter. Førebels er det berre tolv i landet, men sju er under planlegging. Kommunane er òg nøydde til å samarbeida for å få til samhandlinga. I Follo meiner eg at me må utvikla eit felles lokalt medisinsk senter. Ski sjukehus er ei naturleg plassering av eit sånt senter. Der har me plass, og frå før har me legevakt, poliklinikk og palliativ avdeling der, så moglegheitene for å få eit veldig godt lokalt medisinsk senter er verkeleg til stades. Heilt til slutt: Eg er òg glad for den gode løysinga som me har funne for Lærdal

som gjør at man øker kaoset og usikkerheten enda mer. Hvem blir da de store taperne? Jo, det er helt klart pasientene. Det vil føre til store utfordringer og problemer. Ta f.eks. mitt eget fylke, Nord-Trøndelag. Det er jo fristende å spørre statsråden og flertallet i denne salen hvordan skal kunne bygge opp et fullverdig og godt helsetilbud fra 1. januar 2012, og hvordan man har tenkt at Lierne kommune, med sine 1 400 innbyggere, skal klare det samme, når man ikke har klart å begynne nedenfra, nemlig med å bygge opp kompetansen og ressursene i kommunene. Det bare beviser at man har startet i feil ende, og at problemene vil eskalere. Hvordan har utviklingen vært siden denne regjeringen overtok? Jo, vi har fått 70 000 flere som står i kø. Det er det resultatet helseministeren kan slå i bordet med: 70 000 mennesker som ikke får den behandlingen de skulle hatt, kjapt nok. Vi har også registrert i senere tid at folk som er syke, som har blitt tatt prøver av, og prøvene er blitt sendt ut til sykehusene, selv må purre på for å få svar på dem, fordi man har mistet dem på sykehusene, ikke har kontroll over hvor de er, fordi man ikke har kapasitet. Den kapasiteten ønsker den sittende regjeringen å bygge ned enda mer, så man skal få enda større kaos. Jeg bare registrerer at man må være ressurssterk og frisk hvis man skal være syk i de rød-grønnes helsevesen. Så har jeg helt avslutningsvis

BPA for brukere med særlig store behov. Det står jo i anmodningsforslaget at regjeringa skal komme raskt tilbake til Stortinget med et forslag. Med «raskt» ønsker vi jo det raskest mulig, men i hvert fall i løpet av vårhalvåret 2012. 2012. Hvis vi da ser for oss normal tid, for å bruke det uttrykket, fra Stortinget fatter vedtaket til rettigheten iverksettes, så er jeg vel veldig nær ved å svare ja på spørsmålet fra Bent Høie, som bruker uttrykket «i løpet av 2012». Jeg tror jeg vil ordlegge meg slik. Så må jeg si at det er en svartmaling, jeg vil nærmest si uten like, fra Fremskrittspartiet. Skal vi klare å få dette til på en god måte, er det viktig at vi også evner å inspirere herfra. Dessuten: I folkehelsesammeheng er svartmaling rett og slett halvfarlig. En må ta med seg det også. Når Nesvik her framme framfører

ute. Jeg synes også jeg hører mistillit knyttet til legestanden som nå skal begynne å ta helt andre hensyn og bruke faget sitt i forhold til når en skal legges inn på sykehuset. Jeg tror dere kan ta det litt med ro. – Ikke du da, president, men de jeg nå egentlig omtaler. – Så det var det. Så Så vil jeg også legge til at jeg ennå ikke har hørt en eneste kommune som klager på at en føler seg overkjørt av staten i forbindelse med denne reformen. En prater om at det er ovenfra og ned, ovenfra og ned. Det har blitt et mantra i dag. Men det er jo sagt fra flere av oss at det er mange gode prosjekter rundt omkring i landet som har inspirert fram denne Samhandlingsreformen, og slik er det faktisk. Det kommunene nå venter på, er å få klarhet i hva slags virkemidler staten stiller opp med osv., og hvordan lovverket blir, og det vedtar vi i dag. Så nå er vi i gang. Og sjøl om vi da har forskriftshjemler, er det i dag politikken vedtas. Jeg skal svare representanten Høybråten på spørsmålet om verdighetsgarantien. Som veldig godt kjent er

Plikten for kommunene til å tilby dette er tatt inn i den nye kommunale helse- og omsorgsloven. Forskriften er meget detaljert, noe som er vel kjent – også for Høybråten – og presiserer rettighetene som eldre har. Det gir også en prioritering av innsatsen i forhold til eldre. Jeg går ikke igjennom alle detaljene som ligger i forskriften, for det er vel kjent. Men det gir en enklere klagebehandling for eldre hvis de ikke får det tilbudet de skal ha, og det skal ikke være noen tvil om at regjeringen jobber hardt for å skape et bedre tjenestetilbud til eldre. Så til den store bekymringen for landets kommuner: Da må jeg bare si at i april hadde Kommunal Rapport en undersøkelse i norske kommuner. Det viste seg der at åtte av ti ordførere var for reformen, og et flertall støttet også at kommunene skulle ha et større ansvar for innbyggernes helse. helse. Jeg må si at når jeg hører på Fremskrittspartiet, er jeg glad for at Fremskrittspartiet ikke har ansvar for helsepolitikken i Norge, for da hadde vi ikke hatt evne til forandring og fornying av helsetilbudet, enten det gjelder sykehusene og deres oppgaver – hva de kan gjøre – eller andre ting. Norge er et av de landene som bruker mest penger på helse. Vi har flest leger per innbygger. innbygger. Hadde f.eks. representanten Eriksson hørt etter, så hadde han fått med seg mange ting som han stusset på i innlegget sitt. Folk står kortere tid i kø nå. Jeg er enig i at mange står i kø, men spørsmålet er jo ikke hvor mange som står i kø. Det er hvor lenge de står i kø, som er det alvorlige. Hvis folk venter for lenge, er det helt klart at det går ut over livskvalitet. Det kan gå ut over helse, og det kan gå ut over evnen til å arbeide. Derfor er det viktig å få ventetiden ned. Så er det jeg sier, ikke en unnskyldning for de tilfellene av feilbehandling som vi har sett i det siste. De tilfellene av feilbehandling som vi har sett i det siste. De er tvert imot en påminning om hvor viktig det har vært – som jeg har vært veldig opptatt av – å ta et krafttak for pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Så har jeg bare lyst til å si til Sonja Sjøli at jeg er veldig opptatt av at vi skal ha en trygg og forsvarlig Særlig er kortere liggetid på sykehusene viktig i denne forbindelse. Det følger vi opp, både med retningslinjer og annet. Jeg takker for at statsråden kommenterte mitt spørsmål. Men det var det hun gjorde, hun svarte ikke på det. Mitt spørsmål var hvorfor regjeringen i proposisjonen og regjeringspartiene i innstillingen ikke kunne ta inn en formulering vi var enige om i forhandlingene om verdighetsgarantien, nemlig at eldres rettstilstand styrkes. Jeg er nødt til å gjøre noe uvanlig, og det er å avsløre hva som har foregått i forhandlingene. Denne saken ser jeg så alvorlig at jeg ønsker å gjøre det. Vi forhandlet om verdighetsgarantien, og regjeringen ønsket å føre inn i avtalen den formuleringen de har brukt i proposisjonen, nemlig at verdighetsgarantien kan allerede innfortolkes i gjeldende rett. Det ble avvist i forhandlingene. Likevel tar man det inn i høringsutkastet, og man tar det inn i lovproposisjonen i stedet for den formuleringen man var enige om. Dette er jo ikke noe vi tar opp bare fordi vi vil krangle. Vi er opptatt av at verdighetsgarantien reelt sett skal være en brekkstang for å styrke eldres rettigheter i dette landet, slik Det norske Arbeiderparti lovet velgerne i 2009 med et skriftlig brev fra statsministeren til alle landets pensjonister. I stedet opplever vi at regjeringen går rundt og tilbake igjen til en formulering som var forkastet i forhandlingene. Jeg sier dette til skrekk og advarsel for alle som i framtiden vil forhandle med denne regjeringen. Slik er vi blitt behandlet! Da er neste taler representanten Kjersti Toppe, som er en av fem saksordførere. I og med at vi behandler fem saker samtidig, er det sånn etter Stortingets forretningsorden at saksordførere og statsråd ikke har den begrensning som gjør at en ikke kan få ordet mer enn to ganger pluss en gang til et kort innlegg. Jeg minner da om at representanten Toppe er saksordfører for spørsmål knyttet til tiltak for å styrke kapasiteten og Toppe, vær så god. I debatten har fleire teke opp at Samhandlingsreforma blir hasteinnført. Eg ønskjer å presisera at det ikkje stemmer. Det vi planlegg for, finst det mange gode erfaringar med allereie. I mange år har vi eigentleg hatt pilotprosjekt. Det er finst det mange gode erfaringar med allereie. I mange år har vi eigentleg hatt pilotprosjekt. Det er nettopp desse eksempla som legg grunnlaget for dei endringane som skal skje på sikt, i samband med Samhandlingsreforma. Samanlikninga med fastlegereforma meiner eg heller ikkje er heilt reell. Dette galdt ei yrkesgruppe, ikkje ei heil helseteneste. Samhandlingsreforma blir gradvis innført, slik saka ligg i dag. For eksempel er det krav om at hjelp straks skal bli innført i løpet av ein treårsperiode, dvs. at vi skal hauste erfaringar undervegs. Kommunal medfinansiering er òg betydeleg avgrensa i forhold til det som opphavleg låg i planen, og først seinare skal denne eventuelt utvidast til andre medisinske område. Opposisjonen hevdar at kommunal medfinansiering av medisinsk innlegging er aldersdiskriminering. Eg vil ta avstand frå ein sånn påstand. Eg vil på ein måte retta det tilbake igjen til at det er å spela på folk sin redsel for ikkje å få best mogleg behandling når ein treng det. For kva er er det verste som kan skje dersom innleggingspraksisen ikkje blir endra? Kva er det verste som kan skje for kommunen? Jo, det er jo at innleggingsfrekvensen blir den same. Det betyr at kommunen ikkje sparer pengar. Men ei ekstra økonomisk belasting skal det jo ikkje bli. Poenget er nettopp det som representanten Are Helseth tok opp i eit tidlegare innlegg: Det er ikkje rådmennene som legg inn på sjukehus. Det er det legane som framleis skal gjera, og då er det faglege vurderingar som skal leggjast til grunn. I dag er det sånn at legar ikkje har eit kommunalt tilbod å leggja inn i. Det er det vi skal oppretta, og det skal vera kjende problemstillingar, kjende behandlingsrutinar og ikkje berre uerfarte tilstandar. Vi har særleg gode erfaringar med kommunale tilbod òg i dag, der pasientar kan koma etter innlegging, f.eks. ved Søbstad sykehjem i Trondheim, som har fantastiske resultat, og der vi ser raskare rehabilitering. Endåtil har det vist seg at det blir færre dødsfall når pasientane får eit sånt På Stjørdal lokalmedisinske senter, som vi var på besøk hos, fortalte dei at pasientar prøvde å bestilla plass på det senteret etter at dei hadde vore innlagde i sjukehus, fordi det hadde så godt ry på seg. Heilt til slutt: Det er jo ikkje sånn at eldre pasientar har godt av å bli innlagde på sjukehus. Det er ei stor feiloppfatning. Eldre pasientar har veldig godt av å bli behandla mest mogleg i nærleiken av der dei bur. bur. Neste taler er representanten Geir-Ketil Hansen, som til tross for at han har hatt ordet to ganger tidligere i debatten, får 3 minutters taletid, fordi han er ordfører for sak nr. 3, om folkehelseloven. Jeg ble stilt et direkte spørsmål tidligere i debatten av representanten Per Arne Olsen om når vi forutsatte at dette kom tilbake til Stortinget. Når det gjelder BPA, er det jo formulert veldig tydelig i det som blir vedtatt i dag, at man skal komme raskt tilbake til Stortinget med lovforslaget om BPA. Da forutsetter vi at det skjer raskt, og 2012 er naturlig å forvente det tilbake, til kommuneproposisjonen om nødvendig. Så har jeg fått noen kommentarer tilbake fra Fremskrittspartiet i forhold til min påstand om at Fremskrittspartiet prioriterer skattelette foran helse. De kommentarene tilbake har jo vært som forventet: Ja takk, begge deler. Men med prioritering går ikke det; noen ting må komme først. Min påstand er, hvis man leser budsjettforslaget fra Fremskrittspartiet, at de har satt skattelette først. Så helt til slutt: Som saksordfører var det ett område jeg ikke omtalte i mitt innlegg – bare noen få ord om det. Det er forholdet til den samiske befolkningen. Det ble jo omtalt i forbindelse med loven, og det har også vært ført drøftinger mellom Sametinget og Helse- og omsorgsdepartementet i forkant om disse formuleringene. Helse- og omsorgskomiteen understreket da også i forslaget til lov om folkehelse at Norge har en særlig forpliktelse til å sikre helsetjenester tilpasset den samiske befolknings behov – det er ikke en enstemmig komité, Fremskrittspartiet er ikke med på den komitémerknaden – og videre at kommuner med samisk befolkning også i sine oversikter over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer – som alle kommunene får – vil «vurdere om det er spesielle utfordringer både når det

nettopp på det området. For det er viktig for oss når vi skal utforme politikk i forhold til samisk befolkning, om man kan få synliggjort om det er forskjeller, om det er ekstra tiltak man bør sette inn. Representanten Laila Dåvøy har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får i denne omgang ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg skal avslutte med å være litt glad i dag, jeg. jeg. Det går på BPA-ordningen, som vi har kjempet for i mange år. FFO la frem et nyhetsbrev for bare få dager siden, hvor de også var svært glad fordi regjeringen nå var blitt pålagt, som de sa, å utarbeide et forslag om å lovfeste retten til å velge BPA. Jeg vil jo si at det påhviler statsråden og regjeringen et sterkt ansvar nå å gjennomføre det som Stortinget én gang vedtok for lenge siden, i 2005, og som nå er blitt bekreftet i Stortinget. Jeg er veldig glad for de helt klare uttalelsene både fra Arbeiderpartiet og SV her om at BPA-ordningen kommer, og jeg oppfattet jo også statsråden slik, selv om ikke tidsaspektet er vedtatt. også statsråden slik, selv om ikke tidsaspektet er vedtatt. Jeg vil be statsråden: Vi skulle hatt det på plass i 2012, men jeg merker meg at det kommer i alle fall i 2012. Jeg vil også takke for en god debatt, men det er et par ting jeg ønsker å kommentere. Representanten Tore Hagebakken la mye vekt på at han mener at Fremskrittspartiet har mistro til kommunene, og at vi svartmaler situasjonen. Men det Fremskrittspartiet har gjort i denne debatten, er jo faktisk å poengtere de harde fakta, som at sykehuskøene har økt med 20 000 hvert eneste år under denne regjeringen, til totalt nesten 280 000. Vi har poengtert flere av manglene og utfordringene vi står da vi ønsker å løse dem. Vi har poengtert at det har vært en stor usikkerhet ute i befolkningen rundt lokalsykehusene. Dette er jo ikke å svartmale situasjonen. Dette er å konstatere fakta, og det er da viktig at vi må kunne ta tak i de utfordringene vi fortsatt har innenfor Helse-Norge, for å få løst dem. Som jeg sa tidligere i dag, ser vi at den medisinen som har blitt gitt gjennom mange år, ikke virker. Vi registrerer at den medisinen dagens regjering har tatt i bruk, ikke virker. Da er det jo underlig at mens sykehuskøene øker, benytter vi oss ikke av alle de gode kreftene, også de private. Det er også underlig at man ofte skyver ansvaret over på kommunene. Jeg har stor tiltro til at kommunene ønsker det beste for sine innbyggere.

skattelette opp mot en god helsepolitikk, som om de to områdene var de eneste i statsbudsjettet. Det hadde vært fristende å stille et spørsmål til Sosialistisk Venstreparti, om all skattelette betyr dårligere helse. For jeg registrerer også at regjeringen, som Geir-Ketil Hansens parti er en del av, gladelig gir skattelette til sine støttespillere.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

Forslagsstillerne hevder at det vil ta lang tid å bygge opp tilbudet i Norge, og at man på bakgrunn av det må opprette en hjertebro til Danmark. Hjerteflimmer gir redusert livskvalitet for dem som er plaget med det, og kan medføre hjerneslag. Derfor er det viktig at vi har gode tiltak til denne økende pasientgruppen. Helsedirektoratet anslår at 4 pst. av dem som har hjerteflimmer, bør ha Helseministeren har i lengre tid hatt fokus på denne saken, og har i brev til de regionale helseforetakene i juni 2010 pålagt dem å utvide tilbudet til denne pasientgruppen. Helsedirektoratet har anbefalt en frist på seks måneder for de pasienter som er vurdert til å ha behov for behandling. Det er en anbefaling, og det skal selvsagt gjøres en individuell vurdering som kan medføre at pasienten ut fra forsvarlighetshensyn skal behandles raskere. Departementet har vurdert at selv om de regionale helseforetakene har utarbeidet planer for å øke kapasiteten, vil det i en mellomperiode være for dårlig kapasitet i det offentlige helsevesenet. Helseministeren har derfor i brev til de regionale helseforetakene, høsten 2010, vært tydelig på at om helseforetakene ikke har kapasitet til å tilby behandling i eget helseforetak, skal de sørge for at pasienten gjennom avtaler med andre tjenesteleverandører får tilbud om behandling, slik at forsvarlighetskravet ivaretas. Helseministeren har også vært tydelig på at alle pasienter med behov for ablasjon skal vurderes i forhold til prioriteringsforskriften og Helseforetakene har i oppdragsdokumentet blitt pålagt å rapportere på dette arbeidet, og rapportene vil bli gjennomgått og fulgt opp i rapporteringsmøtene med de regionale helseforetakene nå i juni. Vi vet at flere av helseforetakene har økt sin kapasitet på ablasjonsbehandling. Helse Sør-Øst har inngått en avtale med Feiringklinikken, og vi vet at andre helseregioner vurderer å gjøre det samme. Det er alvorlig når pasienter med store plager og risiko må vente utover anbefalt frist. Derfor er jeg fornøyd med at helseministeren i sitt brev til komiteen understreker at om helseforetakene ikke sørger for et tilfredsstillende tilbud til de pasienter som trenger ablasjonsbehandling, vil ministeren følge det opp særskilt overfor det enkelte foretak. Det er

opptil 2–3 års ventetid for såkalt ablasjonsbehandling i alle helseregionene, dog med visse forskjeller regionalt. Selv om det er svært viktig å bygge opp tilstrekkelig kapasitet i Norge knyttet til denne pasientgruppen, har dette tatt veldig lang tid, og det vil fortsatt ta en del tid. Feiringklinikken må i den anledning berømmes for deres nitide kamp for å etablere og utvikle et ablasjonsmiljø i Norge, noe vi nå ser fruktene av. av. Dagens helseminister skal også ha ros for å ha forsøkt å rydde opp etter tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssens lovnader i så måte. Men fordi det tar tid å bygge opp kompetanse og kapasitet i Norge, har altså helseministeren og de rød-grønne i dag en unik mulighet. De har valget mellom å si ja til en hjertebro

som sørger for at de pasientene som lider av hjerteflimmer, og som kan opereres – altså hvor ablasjonsbehandlingen har effekt – får behandling så raskt som mulig og kommer tilbake til et normalt virke. Det er altså prisverdig nok innført en såkalt ventetidsgaranti på seks måneder for denne pasientgruppen, men det er stor grunn til bekymring om hvorvidt denne tidsfristen overholdes, sett i lys av den manglende kapasiteten og det etterslepet vi har i helsevesenet. helsevesenet. Det skal i den anledning fremholdes at fra medisinsk hold pekes det på at tilfanget forventes å øke; omfanget kan kanskje til og med fordobles i løpet av de neste ti år når det gjelder hjerteflimmerproblematikk. Det er påvist en rekke ventelistebrudd, og det er slått ettertrykkelig fast at de regionale helseforetakene ikke oppfyller sitt I den anledning vil jeg også få lov å fremheve at jeg har spurt statsråden to ganger – uten å ha fått noe fullgodt svar – om fristbruddet oppstår når man passerer seksmånedersgrensen, eller når helseforetaket ser at de ikke vil klare det innen seksmånedersfristen. Dette spørsmålet er, slik jeg ser det, også av moralsk karakter. Når man ser at det er svært sannsynlig at fristene er brutt, eller vil bli brutt, og behandlingen er langt fram i tid før vi konstaterer at enkeltpasienter trenger et annet tilbud, og når vi vet hva dette kan bety av helsekonsekvenser for den enkelte, er det på det tidspunktet man vet at man ikke vil klare fristen, at det er naturlig å gi et annet tilbud. Skal vi ta et ansvar allerede nå og etablere et tilbud som gjør at pasientene får et raskt tilbud, siden vi allerede nå vet at fristen ikke kan overholdes for alle dem som allerede har stått i kø? HjerteCenter Varde i Danmark hadde et betydelig antall norske pasienter i 2010. Finansieringen knyttet til disse pasientene har i all hovedsak skjedd gjennom helseforsikringer og privat betaling fra pasientenes side. Faktisk er det bare én eller to av de flere hundre som har latt seg operere der, som har fått dekket kostnaden av det offentlige. Og det er skammelig. Dette er med på å underbygge et klasseskille i det norske helsevesenet som Fremskrittspartiet ikke ønsker. Vi mener det derfor må vurderes en refusjonsordning for de fristbruddpasienter som allerede har betalt av egen lomme eller med helseforsikring for å få operasjonen innen den fristen de burde hatt Jeg var selv til stede på en slik operasjon i Danmark for ikke så lenge siden. Det var imponerende å se. Jeg har selv deltatt på opptil flere hjerteoperasjoner, men på de fleste av dem har jeg vært pasienten selv. Denne gangen fikk jeg lov til å se på og fikk med meg mer, og jeg var som sagt dypt imponert. Jeg rekker ikke å gå noe dypere inn i dette, annet enn å fremme de forslag som er referert i saken, og anser dem som fremmet. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til.

opptil tre år, mener jeg hun sa – å trene opp hjertespesialister i ablasjonsmetoden. Helseministeren har vært tydelig på at pasienten ikke skal vente mer enn seks måneder, men det er jo Feiringklinikken har større kapasitet enn det de kan utnytte i dag. De sier at de kan doble sin kapasitet i løpet av noen få måneder – altså til over 400 – uten å benytte norske leger, fordi de har avtale med utenlandske hjertespesialister. Og de har også det beste medisinske utstyret som er å oppdrive på dette området. Da er det helt ubegripelig at kapasiteten ved Feiringklinikken ikke blir benyttet fullt ut. Statsråden sa også i et svar til meg i Stortinget tidligere i år at alle de regionale helseforetakene nå holder på med å bygge opp sin kapasitet. Hun sa videre at Feiringklinikken er et veldig godt supplement som Helse Sør-Øst nå benytter seg av fordi de har for lav kapasitet, som det tar tid å bygge opp, og at de andre regionale helseforetakene også ville vurdere dette. Feiringklinikken har bidratt til å utvikle det

fremfor at man kan utnytte den kapasiteten som er ved den pasienteide Feiringklinikken. Jeg forstår det rett og slett ikke. Høyre mener at tilbudet ved Feiringklinikken ikke bare skal være et supplement når det passer det offentlige, men at det skal regnes med og være en del av det totale tilbudet innen

når de har bygd ut det – og jeg vil tro at Rikshospitalet har nok av utfordringer å stelle med for tiden. Iallfall sier de ansatte og tidligere direktør at tilbudet slik det er i dag, og de innstrammingene det er lagt opp til, vil gå ut over pasientbehandlingen. Men samtidig skal de da bygge opp et tilbud som faktisk finnes et annet sted i Så jeg har et konkret spørsmål til statsråden: Skal Rikshospitalet fortsette å bygge ut kapasiteten for ablasjonsbehandling på bekostning av Feiringklinikken? Eller vil statsråden sørge for at tilbudet ved Feiringklinikken blir en del av det totale helsetilbudet og ikke bare som et supplement, som sagt, når det passer staten? Hvis dette svaret ikke er positivt,

talemåter. Det er bra at vi får stadig nye behandlingsformer. Jeg er opptatt av at Norge skal være langt fremme når det gjelder å benytte ny kunnskap for å gi folk i landet vårt best mulig medisinsk behandling. Når det blir innført en ny type behandling, er det ofte krevende å ha nok kapasitet. Dette skal ikke hindre at pasienter med behov for denne behandlingen skal sikre seg tilbud i tråd med pasientrettigheter og faglige anbefalinger. Det er ca. 65 000 mennesker med hjerteflimmer i Norge. Ablasjonsbehandling vil være til hjelp for om lag 4 pst. av disse. Helsedirektoratet tilrådde, med bakgrunn i dette, tidsfrister for når pasienter bør få ablasjonsbehandling – seks måneder fra behandlingsindikasjon blir fastsatt. Det blir derfor et åpenbart behov for å øke kapasiteten i Norge betydelig. Jeg har fulgt dette opp ved å pålegge de regionale helseforetakene å øke kapasiteten i brev av 29. juni 2010. Helseforetakene er godt i gang med å bygge opp denne kapasiteten, men det tar selvsagt tid. Kapasitetsøkningen avhenger av større investeringer i utstyr, og ikke minst opplæring av personell, som også representanten Sjøli var inne på. Uansett må pasienten sikres i overgangsperioden frem til tilstrekkelig kapasitet er på plass. Jeg har presisert overfor de regionale helseforetakene at de uansett skal sørge for at pasienter som har behov for slik behandling, tilbys dette. Det kan skje i eget helseforetak eller gjennom avtaler med andre tjenesteleverandører i Norge eller utlandet, slik at forsvarlighetskravet ivaretas. Jeg viser her til brev av 27. oktober i fjor. La meg være helt klar på at de regionale helseforetakene skal sørge for at pasienten tilbys ablasjonsbehandling når dette anses som nødvendig helsehjelp. Slik behandling skal tilbys innen et tidsrom som anses ut fra en individuell helsefaglig vurdering, og i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet. Alle pasienter med behov for ablasjon skal vurderes etter prioriteringsforskriften og forsvarlighetskravet. Det betyr at de regionale helseforetakene må gå gjennom ventelistene sine. I årets oppdragsdokument ba jeg om rapport innen første tertial 2011. Dette rapporteringsmøtet avholdes i dag, 14. juni. Her skal status for ablasjonsbehandlingen gjennomgås. Så til forslaget om hjertebro til Danmark. Stortinget har delegert ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenester til de regionale helseforetakene. Det er mitt ansvar at dette blir fulgt opp. Regionale helseforetak skal prioritere økt behandlingskapasitet for denne pasientgruppen. Samtidig legger jeg til grunn at de løpende vurderer behovet for å kjøpe tilleggskapasitet fra andre tjenesteytere. Fristbruddavtalen mellom HELFO Pasientformidling og HjerteCenter Varde i Danmark gir god sikkerhet for norske pasienter dersom det skulle oppstå fristbrudd fremover. Jeg er kjent med at avtalen er lite benyttet. Både HELFO og helseforetakene arbeider for å gjøre tilbudet bedre kjent for pasienter og fagfolk. er etter min vurdering ikke behov for ytterligere tiltak i form av noen hjertebro til Danmark eller andre land. Forslagsstillerne ønsker min medvirkning til å øke kapasiteten ved Feiringklinikken. Som jeg redegjorde for i Stortingets spørretime 6. april i år, har Helse Sør-Øst inngått avtale med Feiringklinikken om ablasjonsbehandling. Avtalen er begrenset til 200 behandlinger i 2011. Disse behandlingene vil, ifølge Helse Sør-Øst, bidra til at tilbudet blir tilstrekkelig

med de regionale helseforetakene gjennom rapporten på hvor mange de kan behandle, hvor mange de har behandlet, og hvor mange de har i kø. Det skal være helt klart at jeg mener alvor med å få gjennomført den ventetidsgarantien som Helsedirektoratet har anbefalt, ikke lenger enn seks måneder, og kortere dersom det er gitt en individuell vurdering av at det skal være slik. Så er det mulig at man skal utvide kapasiteten, f.eks. ved Feiringklinikken, hvis det er mulig. Men jeg oppfatter at Feiringklinikken blir brukt i større grad enn det tilbudet i Danmark blir brukt. Det er ikke noe mål i seg selv å opprette en hjertebro til Danmark, men det er et mål i seg selv at alle som kan ha nytte av ablasjonsbehandling, skal få det innenfor den fristen som de har krav på. på. Så vil jeg bare svare på en annen ting . – Men det fikk jeg da ikke. Det er noe som ikke stemmer her. Nå sier statsråden at Helse Sør-Øst har inngått en avtale om 200 pasienter ved Feiringklinikken, og sier at det da er tilstrekkelig. Men for noen måneder siden sa statsråden at de måtte bygge ut fire nye operasjonsstuer ved Rikshospitalet for å ta unna. Så her er det noe som ikke stemmer. Jeg spør statsråden enda en gang: Vil de fortsette å bygge ut kapasiteten ved Rikshospitalet, på bekostning av Feiringklinikken, eller vil statsråden sørge for at tilbudet ved Feiringklinikken blir en del av planen for det totale tilbudet om hjertebehandling i Norge? Jeg har ikke sagt at det nødvendigvis er tilstrekkelig, det som er. Det vet jeg ikke før jeg kommer tilbake til kontoret i dag og får høre hvordan rapportene fra de ulike helseforetakene er, og hvordan de er i mål med sin behandling. For meg er det viktig at de pasientene som har behov for ablasjonsbehandling, får det innenfor den fristen som er satt for dem. Så mener jeg faktisk at det er ganske vesentlig at de regionale helseforetakene bygger opp denne kapasiteten. Vi trenger 1 400 behandlinger per i dag per år. Mange kan komme til å måtte ta disse behandlingene og gjenta dem, så det kommer til å være et stort behov. Jeg mener at når det gjelder Feiringklinikken og den avtalen som Helse Sør-Øst har vurdert at de har behov for å inngå med Feiringklinikken, må det også være opp til dem å vurdere om den avtalen skal utvides. Det skal

hvor hun sier at hun tar dette på alvor og er på saken. Det jeg ikke er fornøyd med, er at hun ikke ser behovet for å utnytte den kapasiteten som er på Feiring, ytterligere, og den kapasiteten som allerede er ved HjerteCenter Varde, som er godkjent av HELFO-instituttet, når vi vet at det er så mange pasienter som står og venter. I tillegg til det statsråden hadde på hjertet i forrige sak, kunne jeg godt tenke meg å få svar på én ting, og det er følgende spørsmål: Den garantien på seks måneder, når inntreffer den? Inntreffer den når man passerer seks måneder, eller inntreffer den når helseforetaket ser at de ikke vil klare det innen seks måneder? I brev av 27. oktober i fjor presiserte vi at alle helseforetakene måtte gå igjennom sine ventelister, gjøre nye vurderinger på pasientene og gi en behandlingsgaranti. Når datoen utløper, er fristen ute. Jeg har også vært veldig opptatt av at sykehusene må være flinke til å varsle pasientene hvis de ikke klarer det innen fristen for behandling, og gi veiledning om et alternativt tilbud. Da kan det gjerne være Feiring eller Varde i Danmark, bare de får behandling innen den fristen som er satt. Jeg opplever nå at Fremskrittspartiet vil sende noen til Danmark. Høyre vil bruke Feiring. For meg er det aller viktigste at pasientene får den behandlingen de skal ha, og at vi har tilstrekkelig kapasitet rundt om i landet innen den fristen pasientene skal ha den. Replikkordskiftet er avsluttet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med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

Jeg vil begynne med å si at det er en bred oppslutning om de forslag regjeringen har fremmet i revidert nasjonalbudsjett på lovendringene. Jeg skal derfor i mitt innlegg kun si litt om tre av de sakene som det har vært mest oppmerksomhet rundt. Den første saken er nok den som har fått mest plass i media, og som har vært diskutert flere ganger i denne salen. Det handler om hvordan man skal

Med dette søker man å ivareta den viktige funksjonen media har som samfunnskritisk aktør overfor både myndighetene og samfunnsutviklingen. Forslaget legger ikke opp til å begrense journalistikken i seg selv, men altså måten man sprer informasjonen på. Forslaget vil med dette også hindre en utvikling av kommersialiseringen av skattelistene som man har sett de siste årene. Det har vært en utvikling som i stor grad har bidratt til et økt press på personvernet, som alle partier har sagt seg skeptiske til.

Det har gjennom tid vært en utvikling på dette området, både fordi man har fått nye saldogrupper, slik at det i dag er ti forskjellige grupper man kan klassifisere avskrivningene i, og fordi man gjennom nye måter å oppføre bygg og anlegg på stadig kommer borti utfordringer med hva som skal defineres som hva. Konsekvensen av dette har vært at man også i rettssystemet har problemer med å skille mellom hva som skal regnes som maskiner, og hva som skal regnes som anlegg. Dette er en problematikk som flertallet er godt kjent med, og man har også i budsjettet for inneværende år en flertallsmerknad om dette. Flertallet ser derfor fram til det regjeringen har varslet, at det skal være en gjennomgang i neste års budsjett på dette området. Den tredje saken jeg vil si litt om, er de endringene man legger opp til i arveavgiftsloven. Det har gjennom tid vært flere endringer i denne loven for å få likestilt ektefeller og samboere. Dette har vært viktige og riktige endringer med støtte fra et bredt flertall i Stortinget. De endringene man nå legger opp til, har også bred støtte. Kort fortalt har det i dagens regelverk vært en ulikhet på grunn av at ektefeller har kunnet sitte i uskiftet bo med sine arvinger uten at arveavgiftsplikten har slått inn før man enten har utdelinger fra boet eller at uskiftet opphører. Denne muligheten har ikke samboere kunnet nyttiggjøre seg på samme måte. Forslaget fra regjeringen endrer nå på dette, slik at man også på dette området får en likebehandling mellom ektefeller og samboere. Det foreslås også en endring i fribeløpene ved utdeling fra uskiftebo, slik at man nå kan regne utdeling fra boet som at det kommer fra begge ektemakene, eller samboerne. Det betyr i praksis at man nå kan regne inn to fribeløp og ikke ett som i dagens system. Dette er et grep som gjør det enklere for familier å overføre

Dette gjør vi på svært uelegant vis ved hvert år å beslaglegge bedrifters arbeidende kapital – kapital som bedrifter i våre konkurrentland bruker til å skape nye og konkurransedyktige arbeidsplasser. Vi gjør ikke dette fordi vi som nasjon trenger disse pengene til velferdstjenester. Nei, disse pengene samler staten inn slik at vårt overskudd på statsbudsjettet kan øke tilsvarende. En sånn politikk Og enda mer ansvarlig blir det når dette overskuddet blir investert i våre konkurrentlands bedrifter gjennom Statens pensjonsfond utland. Selvfølgelig investerte disse bedriftene under forutsetning av at vi ikke skal utøve innflytelse over driften av disse bedriftene. Et annet unikt skattefenomen i Norge er at vi som eneste land publiserer og lager underholdning av folks inntekter og hva folk betaler i skatt. Det er visstnok ansvarlighet satt i system, for på denne måten kan vi alle være hverandres overvåkere. Det er helt åpenbart at dersom du ser at naboen kjører Mercedes samtidig som han ifølge skattelistene har lav inntekt og ingen formue, bør dette kunne rapporteres inn som mistenkelig adferd, gjerne til et offentlig kontor som tar seg av sånne saker. På denne måten får vi åpenbart et mer rettferdig samfunn. Husk at alle skal med, av sånne saker. På denne måten får vi åpenbart et mer rettferdig samfunn. Husk at alle skal med, og da kan ikke noen slippe unna. På samme måte kan man tenke seg en oversikt over alle som mottar uføretrygd. Dersom man oppdager at naboen står på en sånn uføretrygdliste samtidig som man oppdager at vedkommende løfter tungt, kan man på samme måte rapportere inn slik mistenkelige adferd – gjerne til samme kontor. På denne måten får vi åpenbart et mer rettferdig samfunn. Og husk igjen: Alle skal med, og da kan ikke noen slippe unna. Det er i vi er kreative nok. Regjeringen ønsker nå å endre hvordan folks inntekt, formue og betaling av skatt offentliggjøres. Prinsippet om at slik offentliggjøring har god underholdnings- og informasjonsverdi skal videreføres. Det skulle jo tatt seg ut om naboen ikke skulle få vite hvor mye jeg får utbetalt i lønn og det jeg betaler i skatt. Nei, et sånt samfunn fullt av hemmelighetskremmerier vil vi ikke ha. Nei, dagens ordning er så strålende og ikke minst så rettferdig at den må Men det blir visstnok noen endringer, for hør bare når jeg siterer fra innstillingen i saken: «Likningsstyresmaktene vil etter forslaget framleis kunne gi pressa ein elektronisk kopi av skattelista, men berre såframt den aktuelle redaksjonen skriv under på ei avtale om ikkje å offentleggjere heile eller delar av skattelista for personlege skattytarar på internett». Dette blir fine greier. Her skal det altså inngås skriftlige avtaler mellom den angivelig frie, kritiske og politisk uavhengige pressen om at bruken av oversendt informasjon kun kan benyttes i tråd med myndighetenes ønsker. Hm! Ifølge innstillingen skal redaksjonene få lov til å fortsette sin lek med folks ligningstall, og de kan offentliggjøre det de finner i Enkeltpersoner skal fortsatt kunne henges ut, alt til det beste for samfunnet, må vite. I tråd med forslaget skal skattejurister og skatteeksperter i intellektuelle og meningsbærende aviser som f.eks. VG og Dagbladet stille seg på myndighetenes side og avsløre mangler i skattesystemet. På denne måten blir avisene maktens forlengede arm, men i rettferdighetens navn, selvfølgelig. Alt annet vil være uansvarlig. Jeg tar herved opp de forslagene vi er med på. Da har representanten Kenneth Svendsen tatt opp de forslagene han refererte til. Høyre har i forbindelse med disse sakene lagt vekt på at vi oppfordrer folk til å spare mer. Vi har også sagt at vi ønsker å stimulere dagens fremtidige boligkjøpere, nemlig ungdommen, til å bli enda flinkere til å spare. Vi har foreslått å øke det årlige sparebeløpet i BSU fra 15 000 til 25 000 kr. Samtidig har vi foreslått noe som finansministeren selv bør vurdere å gjøre i neste budsjett, nemlig å korrigere misforholdet mellom at vi betaler 28 pst. skatt på avkastningen, mens man får 20 pst. fradrag. Det bør korrigeres. Vi har også fra Høyres side en reversering i forbindelse med at vi ønsker at folk skal bli flinkere til å betale til pensjonen sin, nemlig den individuelle pensjonsspareordningen, hvor opposisjonen samler seg om å øke det årlige sparebeløpet til 40

effektiv enn den har vært. Så Høyre har et forslag om å øke den egenutførte FoU-delen til 8 mill. kr og den eksterne delen til 12 mill. kr for å bidra til at privat næringsliv faktisk driver enda mer med forskning og utvikling og kan få fradrag for det. I tillegg har et samlet næringsliv gjennom en god stund nå bedt om at man fjerner den maksimale timesatsen som begrenser dette, men som også gjør det mindre lønnsomt, samtidig som man har en byråkratisk, gammeldags modell med et tak på 1 850 timer. Den store saken, som saksordføreren også sier, i forbindelse med dette har egentlig vært diskusjonen om skattelistene. Fra Høyres side gir vi ros til regjeringen for å ha kommet betydelig lenger nå enn for 1 år eller 1 ½ år siden. Nå blir det innstramminger for offentliggjøring i skattelistene, og det har Høyres støtte fullt ut. Det vi ikke er fornøyd med, er at vi har strengere vern når et firma i dag ber om innsyn i din kredittverdighet. Da får du noen dager etterpå et brev hva slags firma som har bedt om informasjon om deg. Derfor har Høyre foreslått i dag at man kan gjøre det enkelt med MinID – skal man sjekke ut noen i dag, hvem som har betalt hva i skatt eller hva de måtte ha i inntekt, får man altså et meldesystem. Der har vi et forslag. I tillegg til det har vi et forslag som skal gjøre det enda vanskeligere for naboer, hvem det måtte være av nysgjerrigper-er å ha søkemuligheter via skatteetatens nettsider ved at vi setter en treukers frist. Som saksordføreren er inne på, får vi nok en større runde om det på fredag når finanskomiteen behandler revidert nasjonalbudsjett i Stortinget, så jeg nøyer meg med disse kommentarene, og tar med dette opp forslagene fra Høyre. Representanten Arve Kambe har da tatt opp de forslagene han refererte til.

Vi fra SVs side mener at vi har funnet en løsning nå som ivaretar flere viktige hensyn. For oss er det aller viktigste at vi fortsatt sikrer at vi skal kunne ha en offentlig og opplyst debatt om det som er grunnlaget for at vi kan ha et sterkt fellesskap i Norge, en skattefinansiert, universell velferdsstat, nemlig skattesystemet. Jeg har lyst til å gi ros til Norsk Presseforbund og til Norsk Redaktørforening som har bidratt med et kompendium i forbindelse med høringa vi har hatt om denne saken, og hvor de gir oss gode eksempler på hvorfor offentliggjøring av skattelistene er viktig og hvorfor dette handler om demokrati og ikke om snoking, misunnelse eller et ønske om å være ekkel og fæl mot andre mennesker. Det dreier seg om grunnlaget for fellesskapet vårt. Det dreier seg om å få innsikt i hvem som sitter med makt og innflytelse i samfunnet. Det dreier seg om muligheten til å kunne diskutere fordeling av goder og byrder om den er rettferdig mellom kjønn, mellom ulike samfunnsgrupper, mellom by og land osv. For eksempel fikk vi der se artikler som har vært skrevet de siste årene, om hvordan det er store penger å tjene på barnehagedrift, særlig for dem som er spesielt kreative når det gjelder skatt og selskapsorganisering. selskapsorganisering. Dette er et eksempel på hvorfor det er et viktig anliggende for regjeringa å få slutt på at offentlige skattekroner, penger fra fellesskapet – i disse tilfellene i hvert fall – går til å berike enkeltpersoner i stedet for at de går til å få mest mulig god barnehagedrift for pengene. I tillegg fikk vi artikler som viste at de rike er blitt rikere i Larvik og Lardal i 2003 – det kunne sikkert vært et annet årstall også. Men det var i hvert fall et årstall da den rikeste tiendedelen kontrollerte nesten ¾ av all formue. Det er også et eksempel på hvorfor det har vært et overordna mål for oss som tilhører de rød-grønne partiene å få snudd utviklinga – noe vi da også har klart. Fra 2006 har pila

økonomiske interesser som knytter seg til viktige enkeltpersoner. Jeg mener at vi som finanskomité må ta inn over oss at penger og makt går hånd i hånd. Det skulle da bare mangle om vi ikke behandlet økonomiske ressurser også som et potensielt maktmiddel som det er viktig å få åpenhet rundt. Å hemmeligholde hvilke inntekter og hvilke formuer folk har, er samtidig å hemmeligholde hvem som har makt. Og jeg kan ikke forstå hvorfor det skulle være viktig for Norges folkevalgte å Vi som tilhører de rød-grønne partiene, har den motsatte tilnærminga. Vi ønsker utjamning, likestilling og demokrati. Det betyr også at vi hilser velkommen diskusjoner om både bidragene gjennom skatteseddelen og hva slags inntekter og formuer folk sitter på.

gamle og ærverdige prinsippet om åpenhet, samtidig som vi innskrenker mulighetene for å kommersialisere bruken av skattelistene. Og som Presseforbundet og Redaktørforeningen sier, vil en fortsatt få mulighet til å drive en kritisk journalistikk omkring disse temaene. Det er svært viktig. Når en hører debatten og hvordan Fremskrittspartiet og Høyre ordlegger seg, er Fremskrittspartiet tydelig på at de ønsker å forby dette, og Høyre bruker begrepet «snoking». Jeg har lyst til å gå litt videre på de tingene. Det ser her ut til at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å ta vekk fra offentligheten det økonomiske samspill som er på en rekke områder mellom staten og den enkelte borger. Det skulle vært interessant om de to partiene ønsker å gjøre alvor av det. Eksempelvis er det slik at innenfor min næring, jordbruket, er den enkelte gårdbrukers økonomiske mellomværende med staten, de såkalte subsidiene, noe som brettes ut hver eneste gang det blir utbetalinger. utbetalinger. Det ser ut som om Fremskrittspartiet og Høyre er svært tilfreds med i detalj å få oversikt over hva den enkelte gårdbruker får i sitt mellomværende med staten, det offentlige. Det er ingen kommentarer om dette. Hvis ikke alle er klar over det, står det nå på Stortingets talerstol en som Dagbladet har utpekt som subsidiekongen på Stortinget. Jeg har ikke hørt at noen av Høyres eller Fremskrittspartiets representanter har uttrykt at det ikke er særlig hensiktsmessig – i deres forståelse av samfunnet – å fortsette med det,

Og vi kan gjerne gå videre og se på alle andres økonomiske mellomværende med staten. Da vil vi oppleve at vi får fram ganske interessante tall både i konsulentbransjen, blant en rekke sjølstendige næringsdrivende og innenfor en del trygdeordninger og andre ordninger som gjelder dem som har høye pensjoner.

sammenheng. Regjeringspartiene er veldig tydelige på at det skal være et samsvar mellom de skattemessige avskrivningene og det økonomiske verdifallet. Spesielt er det i dag behov for å se dette i forhold til en del bygningsmessige investeringer, hvor saldoprinsippet fører til at avskrivningssatsene lett blir mindre enn det som er det faktiske verdifallet. Når partiet Høyre sier at et premiss for avskrivninger også skal være produktivitet og stimulans til investeringer, går en vekk fra prinsippet om samsvar mellom skattemessige avskrivninger og verdifallet. Jeg vil advare mot det, for det er jo i Høyre-sammenheng å betegne det som en subsidie, dersom de hadde brukt den språkdrakten og den tematikken. Men det er vel ikke hensiktsmessig for Høyre i denne sammenheng.

dette. Utgangspunktet for Venstres skattepolitikk er at det skal være lønnsomt å arbeide, å spare og å investere i norske bedrifter og arbeidsplasser, og ikke minst bidra til en miljø- og klimavennlig samfunnsutvikling. Derfor er kjernen i Venstres skatte- og avgiftspolitikk et skifte fra rød til grønn skatt. Det skal rett og slett lønne seg å legge om fra forbruk til sparing, fra I vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår vi en rekke konkrete tiltak for en vridning fra rød til grønn skatt. Med Venstres skattepolitikk vil det bli mer lønnsomt å arbeide og å skape verdier, mens det vil bli mindre lønnsomt å forurense. Venstre ønsker å legge til rette for et nyskapende næringsliv, hvor flere starter sin egen bedrift. For oss er det faktisk et selvstendig politisk mål at flere gjør nettopp det: starter egen bedrift. Skal vi lykkes med det, må vi legge forholdene bedre til rette for enkeltpersonforetak. Ikke minst gjelder det bedre og likestilte sosiale rettigheter. Ulike statsråder har gjentatte ganger på oppfordring fra Venstre sagt at de vil vurdere å styrke de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende. Det har imidlertid ikke skjedd, til tross for at regjeringen i Soria Moria II lovet at både privat tjenestepensjon og skattereform skulle gjennomgås med sikte på å bedre forholdene for de selvstendig næringsdrivende. Derfor har Venstre en rekke forslag i denne innstillingen som vil bedre vilkårene for de selvstendig næringsdrivende – fra bedre sosiale rettigheter, inkludert sykelønn, rett til minstefradrag, redusert trygdeavgift, økt maksimalt sparebeløp i tjenestepensjonsordningen til bedre og mer fornuftige regler når det gjelder innbetaling av skatt og merverdiavgift.

usikker oppstartsfase. Venstre foreslår derfor å innføre en ordning der det betales halv arbeidsgiveravgift for ansatte i nystartede bedrifter med inntil fem ansatte de tre første årene virksomheten er i drift. Dette vil gjøre det enklere for nye bedrifter å vokse, i tillegg til at det vil skape flere arbeidsplasser over hele landet. For fremtidens arbeidsplasser er det også avgjørende at det blir flere lærlingplasser. Derfor foreslår Venstre at arbeidsgiveravgiften for lærlinger juli d.å. Bedrifter som tar den samfunnsoppgaven det er å drive yrkesopplæring, skal belønnes. Samtidig som Venstre vil gjøre vilkårene for næringslivet bedre, vil vi stimulere til at næringslivet blir mer klima- og miljøvennlig. Gjennom skattesystemet kan det gjøres på to måter – enten ved å øke miljøavgiftene eller ved å innføre differensierte satser som premierer ønsket miljø- og klimavennlig atferd. Venstre foreslår derfor at det innføres en egen «miljøavskrivningssats» i saldogruppe d, slik at det er mulig med en ytterligere avskrivning på 5 pst. dersom investeringen åpenbart gir en miljø- eller klimagevinst. Samme tankegang følger Venstre i SkatteFUNN-ordningen. I dag er det kun 10 pst. av forskningsaktiviteten innenfor SkatteFUNN som kan relateres til klima-/miljø-/energieffektivisering. Dette vil Venstre øke og foreslår derfor at det innføres en egen beløpsgrense i tillegg til slik FoU-aktivitet med henholdsvis 2 mill. kr og 4 mill. kr, avhengig av om forskningen er internt i bedriften eller eksternt utført. Til slutt tar jeg opp Venstres forslag i innstillingen. Representanten Borghild Tenden har tatt opp de forslagene hun refererte til. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

Vi kan laste ned stadig flere elektroniske produkter, f.eks. musikk, bøker og filmer, via Internett. Det er gledelig og gir oss som forbrukere nye muligheter. Momsgrunnlaget i Norge er smalere enn blant våre viktigste handelspartnere. Gjennom Stortingets vedtak om skatte- og avgiftsopplegget for 2011 ble det klart at vi innfører moms på elektroniske tjenester som kjøpes fra utlandet av privatpersoner i Norge, på samme måte som i EU, slik at handel med elektroniske tjenester blir likebehandlet uavhengig av om selgeren befinner seg i Norge eller i utlandet. Det er viktig både for å sikre prinsippet om likebehandling mellom norske og utenlandske tilbydere og for å hindre at momshullet blir for stort når antallet produkter med avgiftsfritak er i vekst. Vedtaket innebærer ikke avgiftslegging av en ny type tjenester, men at det skal betales merverdiavgift ved kjøp av slike tjenester uavhengig av om tilbyderen er etablert utenfor eller innenfor det norske merverdiavgiftsområdet. Den innstillingen vi har til behandling i dag, er en oppfølging av dette vedtaket. Regjeringen varslet den gang at det ville bli behov for å etablere en forenklet registreringsordning for tilbydere fra utlandet, slik at tilbyderne f.eks. ikke vil behøve en representant i Norge for å kunne registrere seg. Dette er på linje med ordningen i EU-landene. Jeg er glad for at et bredt flertall i komiteen,

elektronisk kommunikasjon med ett skattekontor, forenklede registreringsprosedyrer, forenklet rapportering og forenklede dokumentasjonskrav. Registreringsgrensen blir på vanlig måte 50 000 kr. I og med at forslaget har store likheter med reglene som medlemslandene i EU har hatt siden 2003, vil flere av dem som berøres av forslaget, allerede være kjent med innholdet. Komiteens mindretall, Fremskrittspartiet og Venstre, går imot forslaget om enkel rapporteringsordning og begrunner det bl.a. med sin motstand mot selve momsplikten for disse produktene. Denne plikten ble altså vedtatt tidligere, i forbindelse med skatte- og avgiftsopplegget for 2011, og da den debatten ble avgjort, ville det vært fint om vi kunne ha enes om å få på plass en enkel registreringsordning. Gitt at momsvedtaket blir stående – og det er ikke varslet omkamp om det – er konsekvensen av å gå imot den nye ordningen at de gamle, mindre lettvinte reglene blir stående. Med den bakgrunnen synes jeg det er en relativt enkel beslutning å stemme for Men jeg er glad for at et bredt flertall står bak innstillingen. Og vi vil nok få høre mer om begrunnelsen for mindretallets syn i innleggene som

nå være avgiftsunndragelse. Det framstår for Fremskrittspartiet fortsatt som svært uklart hvordan dette skal implementeres, følges opp og etterprøves. Alle relevante innvendinger og spørsmål som har kommet i løpet av høringsrunden om forslaget til endring i merverdiavgiftsloven, avfeies enten med at det ikke nødvendigvis omfattes av lovforslaget, at det må utredes nærmere, og/eller at departementet skal komme tilbake til spørsmålet i Fremskrittspartiet har derfor liten tro på at norske myndigheter vil makte å følge opp alle disse tilfellene. For øvrig viser jeg til bevilgningsforslag i innstillingen til Prop. 120 S for 2010–2011 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 og går imot regjeringens forslag.

Stortinget har jo vedtatt i forbindelse med budsjettet at det fra 1. juli – altså om bare noen uker – skal bli moms på 25 pst. når privatpersoner kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Høyre stemte imot dette i forbindelse med budsjettet for 2011, men ønsker denne gangen å følge lovforslaget. I dag må nordmenn betale moms på spill, bøker, musikk – på alt som lastes ned fra norske leverandører, og slik har det vært siden Høyre har med rette kritisert at dette har vært i norske leverandørers disfavør, og ser altså nå at man med dette forslaget likestiller dette fra 1. juli 2011. Regjeringens ordning er enkel, og man har lagt seg noe i selen for å unngå økt byråkrati. Plikten for virksomheter til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret skal først inntre når omsetningen overstiger 50 000 kr. På den måten ivaretar man at man ved enkelte smånedlastninger som norske forbrukere gjør på enkelte småfirmaer i utlandet, slipper den tunge registreringsprosessen.

lovforslag. Vi registrerer også at de fleste høringsuttalelsene i utgangspunktet er positive. Selvfølgelig er det noen som mener det kommer litt for hastig. noen som mener det kommer litt for hastig. Noen hevder også at det er brudd på saksbehandlingsprosedyrer, kort varslingstid o.l. Høyre lar være å gå inn på kritiske merknader i og med at vi går inn på selve virkningen, og da ser vi at det har vært rimelig travelt å få det til. Noe av det som gjør at vi velger å gå for dette, er at EU siden 2003 har hatt noe av det samme. Det som har gjort at Høyre denne gangen stemmer at vi ikke lenger kan begrunne hvorfor utenlandske tjenester skal være unntatt moms i Norge. Vi kan heller ikke begrunne hvorfor store deler av denne næringen ikke skal betale moms, slik som alle andre næringer gjør, selv om dette vil øke prisen for forbrukerne. Høyre forholder seg også til at loven blir iverksatt, at saken er lagt inn i statsbudsjettet. Dersom vi stemmer imot en lov, skaper vi også en forventning om å fjerne den når vi snart kommer i regjering. Men jeg tror ikke vi kommer til å fjerne denne loven, rett og slett fordi den likestiller norske bedrifter med utenlandske bedrifter og Og hvorfor skulle man bruke hundrevis av millioner kroner for at utenlandske bedrifter skal få avgiftsfritak sammenlignet med det systemet som norske bedrifter i dag har overfor norske forbrukere? Det er ingen logikk i det. Dermed går altså Høyre inn på denne ordningen allikevel. Men jeg understreker at dette ikke har noe å gjøre med moms på e-bøker, det har heller ikke noe å gjøre med moms på aviser, og det har heller ingenting og det har heller ingenting å gjøre med den debatten man har om tollfri import – om den skal være 200 kr eller inflasjonsjusteres. Det er parallelle saker som går hver for seg, der Høyre har hatt andre standpunkter enn regjeringen, og det ser ut til at vi kommer til å ha det i andre saker enn dette. Men i denne saken er norske forbrukere skal betale avgift når de betaler en vare eller en tjeneste, uavhengig av om den er norsk eller utenlandsk. I dag er norske bedrifter i disfavør, og det ser vi ikke noen logikk i å bevare.

departementet knyttet til innføringen av en slik ordning og fikk, slik vi i Venstre ser det, mangelfulle svar. Jeg konstaterer at alt Venstre sa i november, dessverre står seg like godt i dag. Det er fortsatt like uklart hvordan en rekke ting skal etterprøves og følges opp. Alle relevante innvendinger og spørsmål som har kommet i løpet av høringsrunden om forslaget til endring i merverdiavgiftsloven som vi nå behandler, avfeies enten med at det ikke nødvendigvis omfattes av lovforslaget, at det må utredes nærmere, og/eller at departementet skal komme tilbake til spørsmålet i forskrifts form. Høringen bærer også preg av, som representanten Kambe sa, at lovendringene har skjedd under sterkt tidspress, og flere høringsinstanser høringsfrist, og at høringen er gjennomført i strid med utredningsinstruksen, all den tid fristen kun har vært på fire uker, mens utredningsinstruksen sier minimum seks ukers høringsfrist. Dette kommer i tillegg til at forslaget om å innføre avgiftsplikt ikke var sendt på høring i forkant av vedtaket som ble fattet i forbindelse med statsbudsjettbehandlingen for Og skal man innføre et e-momssystem, burde man ha tatt seg god tid, sett på hva som fungerer og ikke fungerer i andre land, og ventet på at EU gjorde sine endringer i sitt system – endringer som først skal gjelde fra 1. januar 2015. Mange spørsmål står fortsatt ubesvart, ikke minst hvordan regjeringen skal kjøp og salg mellom norske borgere og utenlandske tilbydere som ikke registrerer seg i det frivillige registeret til Finansdepartementet. Også definisjonen på hva som er en elektronisk tjeneste, framstår som uklart. I det store og hele framstår det som uklart hva regjeringen og stortingsflertallet vil med ordningen.

eller andre utenlandske nettsteder, slipper man å betale moms på innkjøpet, men dersom man kjøper den samme musikken på MP3 eller i andre elektroniske format, må man betale moms. Vel opplever lp-platene en renessanse om dagen, men dette illustrerer nettopp problemet i det systemet som nå innføres: Ny og miljøvennlig produksjon helt det motsatte av hva Venstre står for. Vi vil legge om skatte- og avgiftssystemet, slik at miljøvennlig adferd og miljøvennlig produksjon belønnes. Vi får altså en situasjon der hvem som helst kan dra til London, kjøpe 20 cd-plater av Deep Purple og reise hjem med dem uten å betale moms, eller få momsen refundert på flyplassen. Kjøper man for mindre enn 200 kr, slipper man også moms om man bestiller på nett, men kjøper man en enkelt låt i elektronisk format til 9 kr, må man altså betale moms. Den minst miljøvennlige metoden er den med null moms, den mest miljøvennlige og fremtidsrettede har moms på alt. Logikken er egentlig helt enkel: Enten må det være moms, toll og avgifter eller på ingen av dem. Jeg håper finansministeren – dersom han tar ordet – forklarer logikken i et innlegg som kanskje kommer etter mitt. Slik Venstre ser det, vil dette systemet ikke være noe annet enn en konkurransefordel for dem som ikke er lovlydige og registrerer seg, eller for dem som driver aktiv tilpasning for å unngå å måtte registrere seg. Og hva med tjenester man bruker når man er ute på reise? Hva skjer med en norsk borger som laster ned et program eller en sang når vedkommende er i utlandet, eller om man med enkle grep oppretter en britisk eller amerikansk konto hos iTunes? Skal tollerne sjekke iPod-en på innreise og utreise? Som det fremgår av innlegget mitt og av innstillingen, stemmer Venstre mot det forslaget vi i dag har til behandling.

om ordet. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av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

de dette arbeidet kun for Norsk Tipping. I tillegg til revisjonsoppdraget foretar Riksrevisjonen selskaps- og forvaltningskontroll av selskapet. I perioden rundt 2007 var det en del støy rundt Norsk Tipping. At det var behov for en opprydding på flere områder, viser innstillingen tydelig, og sentralt i dette sto Riksrevisjonen – ved at de både var revisor for selskapet, og ikke minst at det var dem som foretok en nødvendig selskaps- og forvaltningskontroll av selskapet. Komiteen er enig i at kontrollarbeidet overfor et selskap Komiteen er enig i at kontrollarbeidet overfor et selskap som Norsk Tipping er viktig, og da spesielt ved at man finner fram til hensiktsmessig balanse mellom det forretningsmessige og regnskapstekniske på den ene siden, og kontroll av spillformidlingen og departementets forvaltning av selskapet på den andre siden. Regjeringen foreslår derfor at det framtidige kontrollarbeidet mot Norsk Tipping blir delt ved at pengespilloven endres slik at Norsk Tipping av en revisor som velges av departementet. Riksrevisjonen skal i framtiden foreta selskaps- og forvaltningskontrollen med Norsk Tipping AS. Komiteens flertall, alle utenom medlemmene fra Fremskrittspartiet, støtter regjeringen på dette området. Den andre endringen av pengespilloven som Stortinget inviteres til å gjøre i dag, er at loven også skal si noe om hvordan overskuddet fra Norsk Tippings bingoterminaler skal fordeles. I forbindelse med forbudet mot at andre enn Norsk Tipping kunne oppstille gevinstautomater trådte i kraft 1. juli 2007, ble det gjort et unntak fra dette forbudet ved at man fortsatt kunne ha bingoautomater plassert i privat regi i bingohaller. Vi registrerte en betydelig omsetningsøkning på bingoautomater i perioden 2006–2009. Det ble parallelt med dette registrert en stor økning i antall henvendelser til Hjelpelinjen for

etter fordelingen inngå i tippenøkkelen. Norsk Tipping anslår at dette vil utgjøre vel 50 mill. kr i oppstartsårene. Flertallet støtter regjeringen i dette. Utfordringen har vært å finne ut hvilket omsetningsnivå som skal være grunnlaget når overskuddet skal fordeles. Regjeringens forslag om å ta utgangspunkt i omsetningstallene for 2006 støttes av flertallet i komiteen. Det i hele landet overstiger 127 mill. kr, skal overskuddet av Norsk Tippings

Det er også viktig å presisere at en slik fordelingsnøkkel bør justeres gjennom en egen forskrift i årene etter innføringen av denne lovendringen. Spillpolitikk er utfordrende på mange måter. En side er at den gir gode inntekter for lag og organisasjoner, men den har også sosiale utfordringer som f.eks. faren for spilleavhengighet. Og til det siste: Komiteens flertall er Komiteens flertall er enig i at det var viktig å begrense den store økningen vi har sett på elektroniske spill i bingohaller de siste årene. Å finne balansepunktet mellom disse to hensynene er vanskelig, men gjennom det som legges fram i dag, mener vi å ha kommet fram til løsninger som ivaretar begge disse hensynene på en god måte ved å tilby Belago-automatene fra Norsk Tipping samt visse restriksjoner på Til slutt: Denne saken har engasjert, og det skulle bare mangle. Men jeg tror det er viktig å presisere at frivilligheten også i framtiden vil ha gode inntektsmuligheter gjennom sin bingovirksomhet. All omsetning på tradisjonell bingo og databingospill vil tilfalle arrangører og lag/organisasjoner som i dag. I tillegg vil de som velger det, også få sine inntekter fra Norsk Tippings potten for spillemidler styrkes gjennom denne lovendringen, bidrar ytterligere til å legge til rette for bedre rammevilkår for frivilligheten i Norge. Riksrevisjonens argumenter mot den foreslåtte endringen er Riksrevisjonens argumenter mot den foreslåtte endringen er at dette vil «svekke den offentlige kontroll av forvaltningen av fellesskapets midler». Norsk Tippings særlige og spesielle samfunnsmessige stilling er begrunnelsen til Riksrevisjonen, antakelig også den monopolsituasjonen som Norsk Tipping har. At Riksrevisjonen fortsatt bør ha en rolle som revisor av Norsk Tipping, er uten tvil

Dersom Norsk Tipping AS har behov for å skaffe seg mer regnskapsfaglig kompetanse, kan det enkelt kjøpes inn fra de store private revisjonsselskapene som et supplement til nettopp Riksrevisjonens kontroll. Dette forslaget vil innebære en betydelig svekkelse av den demokratiske kontrollen av tippemidlene hos Norsk Tipping. De er satt til å forvalte midler på vegne av fellesskapet, som vi bør ta hensyn til. beklagelig at dette synet ikke deles av den rød-grønne regjeringen. Nå har de vingeklippet Kosmo og Riksrevisjonen ved Norsk Tipping. Hva er det neste? Jeg er redd for at konsekvensen av de rød-grønnes politikk er at 1 200 kvinner rundt omkring i landet kan miste jobben – 1 200 – og det er de som Regjeringen skal ha at den ikke er populistisk på alle områder, i hvert fall ikke på dette området, når man ser hvor mange stillinger dette dreier seg om. Regjeringens forslag er at de samlede inntekter til foreninger fra samtlige bingospill skal tilbakeføres til 2006-nivå, altså fem år tilbake, som innebærer en reduksjon i inntektene med hele 64 pst., fra 351 mill. kr til 127 mill. kr. Ja, regjeringen er ikke populister i denne saken: Lag og foreninger led store tap da de private gevinstautomatene ble forbudt, og nå risikerer de å tape enda mer. Det var i 2009 i alt 2 466 lag i alt 2 466 lag og foreninger som mottok til sammen 351 mill. kr fra bingoene. Det er gjennomsnittlig 146 000 kr per år per forening. Det er ikke lite penger for et lite lag eller en liten forening. Vi har fått brev fra mange av disse, som forteller om de store konsekvensene det vil få for dem. Det kan man vel tenke seg, når en liten forening mister så store beløp. Denne regjeringen driver ikke med populisme! En betydelig reduksjon av inntektene vil representere et hardt slag særlig for de minste lagene og foreningene i distriktene. Inntektene fra bingoene er svært verdifulle, og til dels helt nødvendige for mange lag og foreninger. Jeg mener at bingo er en spillform som i stor grad har vært sett på mer som underholdning enn noe annet rundt omkring i landet, og utbredelsen har vært spesielt stor i små lokalsamfunn. Det har også fungert som en sosial sammenkomst. Bingoinntektene betyr viktige bidrag til det lokale foreningslivet, og en god del organisasjoner har ikke tilgang til Fremskrittspartiet mener at det gir en bedre fordelingsprofil hvis bingoinntektene i hovedsak tilbakeføres, og tilføres lokale lag uavhengig av fordelingen over tippenøkkelen. Jeg registrerer også med glede at det i liten grad er spørsmål om spilleavhengighet i forbindelse med bingospill. Derfor fremmer ikke

to hovedproblemstillinger. Den ene dreier seg om Norsk Tippings revisjon, og der har ikke vi noen problemer med å støtte regjeringens forslag. Vi mener at det er et greit grep som er foreslått. Det er naturlig også – hadde jeg nær sagt – i forhold til hovedprofilen og de oppgavene Riksrevisjonen skal jobbe med, og det er i og for seg også et greit utgangspunkt for Norsk Tipping. Så Høyre støtter det fremlagte forslaget på det punkt. Når det gjelder Norsk Tippings overtakelse av bingoautomatene, ser vi det som en naturlig oppfølging av spilleautomatpolitikken som har vært. Slik sett mener vi at det er et riktig grep i lys av de sosialpolitiske forhold som begrunnet overtakelsen av spilleautomatene. Men om det er riktig at Norsk Tipping skal overta automatene, så mener vi ikke at det er noen nødvendig følge av det at overskuddet av denne virksomheten skal tilføres tippenøkkelen. Det er egentlig to forskjellige saker. I dag kan vi konstatere, i hvert fall når det gjelder proposisjonen, at det er ca. 1 200 lag og organisasjoner som ikke har tilgang til tippenøkkelen. Det er klart, som det også er sagt her, at de vil lide et ganske stort tap gjennom den omleggingen som er foreslått. Vi mener at det er en fordel at frivilligheten tilføres midler på et bredt grunnlag. Vi synes også det er en fordel at det er en sammenheng mellom

Regjeringen har som kjent foreslått at det er 2006-nivået for omsetningen som skal ligge til grunn for hva de lokale foreningene skal få. Regjeringen ønsker å fryse dette som skjæringstidspunkt beløpsmessig. Høyre mener at det er et urimelig grep, og at det ikke er spesielt godt begrunnet. Jeg antar, uten at det er så tydelig sagt, men det kan kanskje statsråden svare på i sitt innlegg, at en viktig del av denne begrunnelsen er at man gjorde tilsvarende grep da man innførte spilleautomatmonopolet – at man daterte tilbake hvilket overskudd man skulle få garanti for. Jeg mener at de beløpene vi snakker om, er det så stor forskjell på. Den gang snakket vi om en økning i spilleautomatinntekter fra 4–5 mrd. kr opp til flere og tjue milliarder kroner, mens vi her snakker om et par hundre millioner kroner i forskjell. Det som må være viktig her, er kanskje ikke prinsippet for likebehandlingen, det viktige må være at man gjør et grep som de frivillige organisasjonene godt kan leve med. Da mener vi at det ikke er noen grunn til å overføre en så stor andel som det her ligger an til, til tippenøkkelen fra 2006 og, nær sagt, til evig tid. Derimot er det slik at når man er med og har spillfinansiert virksomhet, må man ta høyde for at det går litt opp og ned – at spill også endrer seg. Ut fra det synes vi det er mye å legge an en prosentandel. Vi har foreslått at man skal ha en beskjeden prosentandel. Vi har foreslått den til 15 pst. Hvis vi hadde fått litt medhold fra regjeringspartiene, kunne vi diskutert den prosentandelen. Men vi mener at den i utgangspunktet bør være lav. Utgangspunktet for dette er at det skal være et incitament for Norsk Tipping til også å utvikle bingospillene slik at ikke de blir marginalisert. Det har også bingooperatørene gitt uttrykk for. Dette betyr at Høyre støtter de foreslåtte lovendringene, fordi den forskjellen som vi har, ligger på forskriftsplan. Jeg tar da opp Høyres forslag, men vi vil altså stemme for lovendringsforslagene. Representanten Olemic Thommessen har tatt opp det forslaget han refererte til.

Så til saken som gjelder fordeling av overskudd fra bingoterminalene: Bingodriften i Norge består i dag både av tradisjonelt papirbasert bingospill og elektroniske automater. I den senere tid har det vært en betydelig økning i bruken av de elektroniske terminalene på bekostning av papirproduktet. Vi ser også at alderssammensetningen i bingolokalene har endret seg, og de elektroniske automatene tiltrekker seg yngre aldersgrupper. Det er viktig å dempe veksten på de elektroniske tjenestene, som kan medføre spilleproblemer for enkelte. Samtidig er Kristelig Folkeparti, i likhet med regjeringen, opptatt av at bingo kan opprettholdes som konsept. Tradisjonell papirbingo har ikke den samme avhengighetsproblematikken ved seg, men kan tvert imot være gode sosiale møteplasser.

foreninger. Det er vel ingen tvil om at denne saken også handler om å kompensere bingoentreprenørene til en viss grad. Men kjernen i denne saken handler om å sikre seg kontroll over en del av det spillmarkedet som hittil ikke har vært regulert godt nok, og det støtter Kristelig Folkeparti. Så har det kommet frem en del bekymringsmeldinger fra frivillige lag og foreninger knyttet til prosentsatser og fordelingsprinsipper, som flere har vært inne på allerede. Enkelte er bekymret for at ikke alle inntektene fra Norsk Tippings automater skal inngå i inntektsgrunnlaget for tippenøkkelfordelingen. Men det er også mange som har et annet syn. Det viktigste for Kristelig Folkeparti er at vi ivaretar to viktige hensyn: inntekter til frivilligheten, lag og foreninger, og at vi begrenser Vi mener at grepene som nå tas, ivaretar disse hensynene, og vi støtter derfor forslagene. Når det gjelder fordelingsnøkkelen med 40 pst. til Norsk Tipping, 35 pst. til bingoentreprenørene og 25 pst. til lag og foreninger, blir det viktig å følge utviklingen nøye. Her må vi vurdere hvordan dette slår ut etter en viss tid, og flertallet i komiteen presiserer også at fordelingsnøkkelen bør justeres gjennom en egen forskrift i årene etter innføringen av denne lovendringen. lovendringen. I juni i fjor behandlet Stortinget Riksrevisjonens rapport om utvidet revisjon av Norsk Tipping. Flertallet, alle unntatt Fremskrittspartiet, sa i kontroll- og konstitusjonskomiteen at de ba departementet om å «vurdere om regnskapsrevisjonen av Norsk Tipping i fremtiden kan foretas av ekstern revisor» istedenfor av Riksrevisjonen, slik ordningen er i dag. Norsk Tipping er det siste statlige aksjeselskapet som har Riksrevisjonen som regnskapsrevisor, og det ber jeg Fremskrittspartiet om å merke seg ettersom de mener at dette er et brudd med gjeldende praksis. Dette er å gjennomføre revisjon på linje med det vi gjør på andre områder, bl.a. av NRK. Revisor kan da bli valgte private revisjonsselskap som har løpende av en rekke ulike typer aksjeselskaper. Etter min mening gir det bedre sikkerhet for at dette selskapet revideres på en god måte. Men Riksrevisjonen, som Stortingets kontrollorgan etter riksrevisjonsloven, vil fortsatt ha en viktig rolle i forhold til Norsk Tipping AS. Det at Riksrevisjonen nå vil få en revisjonsrapport fra en ekstern revisor til bruk i sitt kontrollarbeid, vil etter min mening styrke dette arbeidet. En slik vurdering er også lagt til grunn i forhold til revisjon av Norges Bank, og til andre selvstendige statseide institusjoner. Jeg er glad for at flertallet i komiteen har sluttet seg til forslaget om endring i pengespilloven. Det har vært god tradisjon de siste ti årene for å si at Stortinget stort sett har stilt seg bak hovedlinjene i pengespillpolitikken. Jeg

i 2010. Den kraftige økningen skyldes jo økt omsetning av de raske elektroniske spillene i bingohallene. Det har også bidratt til økte inntekter for de lag og foreninger som mottar overskudd fra bingodriften. Økningen faller jo helt parallelt sammen med forbudet mot gevinstautomater som trådte i kraft 1. juli 2007. Økt omsetning til bingohaller er positivt, men det er mye som tyder på at bingolokalene har overtatt en del av den problematiske spilleaktiviteten som vi så tidligere på gevinstautomatene. Departementet besluttet derfor forbud mot bingoautomater fra 1. april 2010, og har vedtatt innstramminger i reglene for raske dataspill. Norsk Tipping skal utplassere nye spill i bingohaller. Dette vil også være raske spill, men disse spillene vil være underlagt strengere begrensninger og kontroll. Vi vet at det er de raske spillene som kan skape avhengighet, og derfor må vi ha en bedre kontroll med disse. Norsk Tipping har altså overtatt ansvaret for de raskeste pengespillene i bingohallene, og vi får derved sterkere statlig kontroll av Uten de tiltak vi nå har vedtatt, vil vi kunne få økende problemer med spilleavhengighet i bingolokaler. Dette har vi også registrert ved spilltelefon for dem som er spilleavhengige. Det kan synes som om mange av dem som tidligere var avhengige på gevinstautomater, har flyttet over til andre typer spill, og de har i økende grad kontaktet hjelpeapparatet. På bakgrunn av Stortingets behandling av forslaget om fordeling av overskudd fra bingoterminaler vil departementet vedta en forskrift som regulerer fordeling av overskuddet fra disse terminalene. Jeg legger opp til at fordelingen blir 40 pst. til Norsk Tipping til dekning av investerings- og driftskostnader, 35 pst. til bingoentreprenørene og 25 pst. til de lag og foreninger som mottar overskudd fra bingodriften. Denne fordelingen har vært drøftet med de berørte aktører i forbindelse med Stortingets behandling av lovforslaget.

antakelig gå ned de kommende årene, fordi bingoautomater ble forbudt i 2010, og fordi reglene for databingo blir strengere fra 2012. Med overgangsordninger kan vi forhindre at bingolokaler faller bort, og at nedgangen i inntekter til lag og foreninger blir for stor. Dersom det på sikt vil være aktuelt å endre fordelingen, vil forskriftsendringer skje etter ordinær høring.

Men jeg skal spørre statsråden om de hundre brevene som vi har fått fra lokale lag og foreninger, hvor de påstår at de kommer til å miste en del av inntekten sin, faktisk 127 mill. kr. Hva skal de gjøre fremover? Så vil jeg også spørre statsråden om tilbakemeldinger vi har fått fra bingobransjen om at 1 200 kvinnelige stillinger rundt omkring i distriktene står i fare for for å bli nedlagt. Hva skal man si til de kvinnene? Tror ikke statsråden på det heller, når man ikke tror på at lokale lag og foreninger vil miste så store beløp som de har antydet i brev til komiteen? Det var jo en avveining da vi innførte forbud mot gevinstautomater, at det kunne føre til at en del frivillige organisasjoner mistet viktige inntektsgrunnlag. Men hensynet

og som tar hensyn til at vi skal gi mer penger til lokale organisasjoner. Og derfor har vi lagt grunnlag for den største endringen i økning av inntekter til frivillige lag og organisasjoner gjennom momskompensasjonsordningen. Nå har det seg også slik at veldig mange av dem som var spilleavhengige, flyttet over til andre typer automater, bl.a. databingo og bingoautomater, slik at økningen fra 2006 og til i dag har omtrent vært en
Neste replikant er
ta opp det som Ib Thomsen startet med. Vi er jo for at bingoautomatene skal overtas av Norsk Tipping. Det handler om at man skal ha hånden på rattet og den kjappheten som var viktig også i spilleautomatsaken. Men når det er gjort, er jo det sosialpolitiske aspektet ivaretatt. Da har vi den kontrollen. Jeg kan ikke helt se at det er noen nødvendig sammenheng mellom det og det å skulle ta en så stor del av overskuddet å tilføre tippenøkkelen. Man kunne godt tenke seg at Norsk Tipping holdt kontrollen, styrte og stelte med dette og fikk betalt for det, men at de pengene man faktisk tjente på bingo, gikk tilbake til de formålene. Da ville man nå de 1 200 lag og organisasjoner. Da ville f.eks. ikke avholdsbevegelsen i Oslo tape millionbeløp, som de antakelig kommer til å gjøre nå. nå. Hvis man hadde en prosentandel, ville man ta høyde for de endringene i spillvolumet som statsråden var inne på. Det er verdt å merke seg at grunnen til at inntektene og overskuddet fra databingo og bingoautomatene har økt så formidabelt de siste årene, er at vi innførte forbud mot gevinstautomater. Nå har jo inntektene fra disse automatene blitt veldig, veldig store. Som jeg forsøkte å si til den forrige replikanten, økte disse fra 53 mill. kr i 2006 til 250 mill. i 2009. Etter min mening vil det ikke være hensiktsmessig at de som har fått penger i denne overgangsperioden, skal være sikret disse inntektene uansett. Da synes jeg det er riktig at vi skal gi tilgang til flere lag og organisasjoner, slik at alle kan få del i dette gjennom bl.a. momskompensasjonsordningen, som gir penger til alle frivillige lag og organisasjoner, og gjennom tippenøkkelen. Det er kun overskudd fra bingoterminaler som på sikt vil gå direkte inn i tippenøkkelen. Det er verdt å merke seg. Det vil imidlertid bli lagt opp til at dette ikke skal skje før overskudd fra hovedspill og databingospill ligger på et nivå som tilsvarer det Men det er jo ikke slik at flere får med regjeringens opplegg. Det er jo slik at færre får, fordi de 1 200 lagene som er nevnt i proposisjonen, ikke har tilgang til tippenøkkelens system. Så det som blir resultatet nå, er at man gir til dem som får fra før. Oppriktig talt så har vel heller ikke dette noen sammenheng med momskompensasjonsordningen. Dette er jo ikke penger som gjør at regjeringens tak for momskompensasjon blir høyere av den årsak. Resultatet er jo faktisk at 1 200 organisasjoner ikke får midler, iallfall kommer til å få mindre enn det de fikk før, og det uten at jeg kan se at statsråden har redegjort for at det er noen nødvendig sammenheng mellom det å få sosialpolitisk kontroll, altså kontroll over spilleavhengigheten gjennom Norsk Tipping, og hvor pengene faktisk ender. Den logikken har jeg ikke sett. Det vil jeg gjerne høre om statsråden kan utfylle, om hun har noen tanker om den type organisasjoner som nå ikke vil komme til å få midler. Noen har hevdet at det er et samlet overskudd fra bingodriften, dvs. hovedspill og dataspill, som skal inngå i tippenøkkelen. Det er det som ikke er riktig. Det er kun overskuddet fra bingoterminalene som på sikt skal gå inn i tippenøkkelen. tippenøkkelen. Det er imidlertid lagt opp til at dette ikke skal skje før overskuddet fra hovedspill og databingospill ligger på et nivå som tilsvarer det samlede bingooverskuddet til frivillige lag og foreninger i 2006, altså på 127 mill. kr. Det vil imidlertid ikke være riktig, fordi man har fått et veldig høyt nivå gjennom disse spillene de siste årene etter at vi fjernet gevinstautomatene, at det automatisk skal være inntekter som skal tilfalle disse lagene og organisasjonene. Replikkordskiftet er avsluttet.

Saken vi behandler i dag, handler, som de fleste har forstått, om hvordan overskuddet fra Norsk Tippings bingoterminaler skal fordeles samt om hensyn til den sosiale delen av spillpolitikken vår. For å gjenta både meg selv og andre: Enhver bingoarrangør kan i framtiden selv velge om de vil ha Norsk Tippings terminaler i sine lokaler. Gjør de det, så mye de vil, og hver krone vil tilfalle lag og organisasjoner, slik de gjør i dag. Så konsekvensene av det vi gjør i dag, er på langt nær det Fremskrittspartiet prøver å beskrive som en virkelighet.

et beløp basert på et nivå som kom som følge av at inntektene fra spilleautomatene gikk ned. Det er vanskelig å skjønne at det er tilfellet. Nå kommer disse nye automatene til å bidra til at det totalt sett kommer til å bli mindre inntekter. Vi snakker nok ikke om et tallene av i dag kan se ut som. I tillegg snakker vi om differensen mellom 127 mill. kr, som er 2006-nivået, og jeg tror det er 357 mill. kr som er nevnt i proposisjonen, kanskje et høyere beløp. Men uansett dreier det seg om noen få hundre millioner kroner. Oppriktig talt, jeg synes kanskje det er litt kjipt å være så nøyeregnende for kanskje halvannet tusen organisasjoner som alle har et godt utgangspunkt. Avholdsbevegelsen i Oslo kommer til å bli loppet for millionbeløp som følge av dette, og jeg kan ikke se at det er noe ønsket mål med spillpolitikken. Tvert imot synes jeg det skaper et veldig kunstig skille legger 2006-nivået til grunn. Den gangen vi jobbet med overtakelse av spilleautomatene, dreide den økonomiske nedgangen som vi skulle håndtere, seg om forskjeller på titalls milliarder av kroner, og det var en selvfølge at vi måtte finne et håndterlig nivå for hvilke inntekter som skulle Det kan umulig være tilfellet i denne saken. Her dreier det seg om relativt få penger, i hvert fall i forhold til spill, og tippenøkkelen tilføres store midler. Jeg tror ikke det betyr så veldig mye i den sammenhengen heller. Jeg synes det er synd at man velger å legge mer enn prinsipielle tilnærminger til grunn, at når de som var omfattet av spilleautomatene ikke fikk, nei da skal sannelig ikke disse få heller. Det synes jeg virker litt smått og unødvendig i forhold til mange, veldig gode tiltak landet over, som får penger i sine lokale miljøer for å gjøre en lokal jobb.

for å fjerne disse 127 mill. kr fra lokale lag og foreninger, som har fått det i samarbeid med sine bingooperatører. Disse argumentene har ikke nådd komiteen. Komiteen har hatt høring om saken. Det ble ikke nevnt en tøddel om spilleavhengighet. Tvert imot mener man at bingo ikke er innunder den kategorien som det argumentet som har kommet fram nå, er innunder. Derimot hørte vi at lag og foreninger i hele landet ville miste store inntekter, at det ville få store konsekvenser. Det hørte vi, og vi hørte også

høringen. Jeg synes representanten Ib Thomsen bør merke seg at det har vært en økning i antall spilleavhengige på denne typen terminaler, altså databingo og bingoautomater. Tidligere var det veldig mange spilleavhengige på de gamle gevinstautomatene, automatene. Så i den grad vi skal snakke om hvilke mennesker som er noe verdt, må jeg si at de ungene som har foreldre som tidligere var avhengige av gevinstautomater, de ungene som har foreldre som er avhengige av databingo og bingoautomater, er like mye verdt. verdt. Vi har registrert – og det kan vi ikke se bort fra – at det har vært en økning av dem som søker hjelp på grunn av disse automatene. I 2007 så vi at av dem som henvendte seg til Hjelpelinjen for spilleavhengige, var det 9 pst. som hadde problemer med bingoautomater. Vi så at det tallet doblet seg i 2009. Det var fordi de gamle gevinstautomatene var forbudt, og da så vi at disse spillerne gikk over på disse automatene. Og og da så vi at disse spillerne gikk over på disse automatene. Og vi kan ikke se bort fra de sosiale problemene disse spillene skaper. Vi vet at automatinntektene går til mange gode formål, men jeg mener at målet ikke helliger middelet her. Vi kan ikke la frivillige lag og organisasjoner, som har aldri så gode hensikter, motta penger på den måten. Derfor mener jeg det er riktig med regulering på dette området, og jeg er sterkt uenig i Fremskrittspartiets politikk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

å overdrive effekten av at Stavanger ble landbase for Ekofisk for 40 år siden. Ikke bare for oss i Rogaland, men for mange i hele landet, har det gitt tak over hodet og mat på bordet. Petroleumsvirksomheten i Norge er langt fra over. For Arbeiderpartiet er det viktig at olje- og gassvirksomhet i Norge gir ringvirkninger både nasjonalt og regionalt. For oss er dette særlig viktig nå som

I morgen behandler vi her i Stortinget forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, som åpner for mer letevirksomhet i nordområdene. For meg er det viktig å understreke at lokale ringvirkninger er en forutsetning for en vellykket satsing på olje og gass i nord. I Norge har vi en aktiv forvaltning av petroleumsressursene, med det utgangspunkt at ressursene tilhører hele landet, og at overskuddet av virksomheten skal tilfalle folket i dette landet. Det innebærer også at vi skal bygge kompetanse i hele landet, sånn at norske aktører skal få en stor del av kontraktene som underleverandører og tjenesteleverandører. Det har vi fått til. Norge har i dag en verdensledende underleverandørsektor både for olje og for gass. Prop. 102 L for 2010–2011 innebærer en endring i petroleumsloven § 10-2. Etter en gjennomgang av petroleumsloven har EFTAs overvåkingsorgan, ESA,

Etter dialog med ESA har regjeringa fremma forslag til endringar i lovteksten som, ifølgje departementet, gjer at han er i samsvar med dagens praksis og med forpliktingane vi har gjennom EØS-avtalen. I proposisjonen seier regjeringa at rettshavarane må sørgje for at dei er representerte, slik at dei til kvar tid kan ta informerte avgjerder om si petroleumsverksemd i Noreg, og at det vil avhenge av storleiken, omfanget og kompleksiteten på aktiviteten den enkelte rettshavar har, medrekna om han er operatør eller ikkje. Dette, i lag med den forsikringa regjeringa gir om at dette ikkje vil endre det som er norsk praksis i dag, er viktige premissar for Senterpartiet i denne saka. Komiteen har arrangert høyring i saka og fått synspunkt frå ei rekkje deltakarar. Blant anna peiker professor i europarett ved Universitetet i Oslo, Finn Arnesen, på at lovformuleringane i gjeldande lov var så openbert i strid med EØS-avtalen at det burde vere klart for politikarane ved at loven ikkje ville kunne handhevast utan at han kom i konflikt med forpliktingane i EØS-avtalen. Heller ikkje frå anna hald kom det fram noko som gir haldepunkt for at ein kan halde på dagens lovtekst utan at han er i konflikt med EØS-avtalen. Senterpartiet er imot EØS-avtalen, og vårt alternativ til Den europeiske unionen gjennom ein frihandelsavtale. Det er noko vi har lyfta fram tidlegare, så det er alle i denne salen kjende med. Vi peika den gongen EØS-avtalen blei inngått, på nettopp det omfanget avtalen hadde, og den dynamikken som ligg i EØS-avtalen, og som vi ser – gong på gong – i form av at avtalen blir stadig meir omfattande. Dei politiske målsetjingane om at petroleumsverksemda skal gi ringverknader i form av næringsaktivitet og sysselsetjing, står fast. Det er ingen tvil om at EØS-avtalen avgrensar norske styresmakter si makt òg på dette området. Vi legg til grunn at det vedtaket vi gjer i dag, ikkje endrar den praksisen som vi har innarbeidd i norsk forvalting. Det er mange grunnar til at ein desentralisert base- og driftsstruktur og representasjonen i selskapa i Noreg blir oppretthaldne, ikkje minst gjer omsynet til helse, miljø og sikkerheit at ein bør ha nærleik til desse aktivitetane. Likevel vil eg minne om at distriktspolitiske omsyn, eller andre omsyn ein måtte ha ut frå politikk og ideologi, har ein på dette området – som på mange andre område etter at EØS-avtalen blei innført – ikkje den same myndigheita over. Først til det overordnede: Petroleumsbransjen er

er drivkraft for utvikling av annet næringsliv i Norge. Alt dette er bra. Dette er jo verdier som skapes utover selve energiinnholdet i oljen. Derfor er det bra at denne næringen sørger for at dette skjer i Norge, framfor at vi bare importerer utenlandske selskaper som gjør jobben for oss, og som også stikker av med hele kunnskapen og næringsutviklingen på egen hånd. Det er viktig at vi fortsetter å utvikle oljenæringen, og bruker den til å utvikle norsk næringsliv. Det er også viktig med tanke på lokal aktivitet at en sikrer lokale ringvirkninger, dette for å sikre lokal aksept for næringen. Spesielt har vi sett det i debatten rundt oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, der lokale krefter nærmest uansett om man er for eller imot utvinning av olje og gass – krever lokale ringvirkninger for å kunne akseptere oljeaktivitet utenfor kysten. Jeg registrerer at ESA sier at den praksisen som Norge har hatt de siste årene, er grei,